kan få

Noen mener at de gode resultatene Norge oppnår, skyldes tilfeldigheter – at vi har funnet olje og gass på sokkelen, og at resultatene nærmest kommer av seg selv. Det er feil. Mange land har som Norge hatt store inntekter fra naturressurser, men langt fra alle har lyktes i å omsette dette til å skape et samfunn som er godt å bo Det er helt riktig at petroleumsressursene har gitt oss muligheter andre land ikke har, men det avgjørende er at vi har forvaltet mulighetene på en god måte, at vi har foretatt noen grunnleggende riktige valg: Vi valgte å la inntektene fra naturressursene være fellesskapets eiendom. Vi har ikke privatisert dem og ikke latt et lite mindretall få eiendomsrett til olje- og gassforekomstene. Det har andre land gjort, og det har de tapt på. Og like viktig: Vi har forvaltet de store inntektene fra olje og gass på en forsvarlig og langsiktig måte, slik at vi har greid å beholde sterke konkurranseutsatte, lønnsomme bedrifter i privat sektor. Det å være et godt land å bo i handler mye om hvordan vi organiserer samfunnet vårt – et samfunn med små forskjeller, omfattende offentlige velferdsordninger, høy yrkesdeltakelse og koordinert lønnsdannelse. Dette har gitt oss omstillingsdyktige og lønnsomme bedrifter, og det har trygget velferden for innbyggerne i landet vårt. Det er dette vi kaller den norske samfunnsmodellen. Ikke minst handler denne modellen om at vi har sikret lav arbeidsløshet. I en rekke europeiske land ser vi nå ledighetstall på langt over 10 pst. Selv vår nabo Sverige ligger nær dette nivået. Norge har Europas laveste arbeidsledighet. Vi har lyktes i å styre Norge trygt gjennom finanskrisen. Vi er i nærheten av det Odvar Nordli kalte «en øy av full sysselsetting i et hav av arbeidsledighet». Ikke bare i offentlig sektor, men også i private bedrifter har vi i dag langt høyere sysselsetting, langt flere arbeidsplasser enn da vi overtok regjeringsansvaret i 2005. Så har noen begynt å angripe ledighetsstatistikkene i stedet for å angripe arbeidsledigheten. Ledende politikere fra høyrepartiene har brukt høsten til å så tvil om norske arbeidsledighetstall. Det er det ingen grunn til. De norske ledighetstallene følger internasjonale retningslinjer. De inngår i internasjonale oversikter med sammenliknbare ledighetstall. Det er altså ikke noe tull med tallene når det gjelder arbeidsløshet i Norge. Høyrepartienes talsmenn viser til at en del nordmenn står utenfor arbeidslivet, og mener dette skjuler arbeidsledigheten. Sannheten er at vi i Norge har svært lav ledighet, uansett hvordan vi måler den. Hvis vi hadde skjult arbeidsledighet ved å ha mange på trygd, ville få vært i arbeid, og vi ville hatt lav sysselsetting. Sysselsettingsraten måler hvor stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder som faktisk er i jobb. Norge har en av de høyeste sysselsettingsrater i hele den vestlige verden. Over 76 pst. av innbyggerne mellom 15 og 64 år her i landet er i jobb. I Sverige, som også er blant de landene som er på topp, er det 72 pst. I USA er det 67 pst., og i EU er det 66 pst. Så vi ligger altså omtrent 10 prosentpoeng høyere i Norge når det gjelder andel av befolkningen som er i jobb, enn gjennomsnittet i EU. Vi har rett og slett en større andel av befolkningen i jobb enn de fleste andre land i verden. Ikke minst skyldes dette at mange kvinner og eldre deltar i arbeidslivet. Samtidig er det slik at vi i Norge har mange mennesker i arbeidsfør alder som mottar trygd. Hovedårsaken til dette er at vi har et godt utbygd trygdesystem i Norge – ikke at vi skjuler ledighet ved å sette arbeidsføre mennesker på trygd. Veldig mange av dem som her til lands mottar trygd, ville i andre land ha blitt forsørget av ektefeller, foreldre eller andre nære pårørende. I Norge er vi derfor i den situasjonen at vi har både flere i arbeid og flere på trygd enn i mange andre land, fordi færre forsørges av familien. Dette er ikke å skjule arbeidsløshet. At vi i Norge har valgt å ha et omfattende trygdesystem som bidrar til å forsørge personer som ikke er i stand til å jobbe, mener jeg er en viktig kvalitet ved det norske velferdssamfunnet. Da må vi også tåle at noen flere mottar trygdeytelser her enn i andre land. Jeg er derfor uenig med dem som antyder at en stor andel av dem som får ulike trygdeytelser, egentlig ikke har krav på det. De som mottar trygd, skal gjøre det med hevet hode. Det er lenge siden vi sluttet å stå med lua i handa for å få våre rettigheter. Samtidig er det best for den enkelte og for samfunnet at alle som er i stand til det, jobber framfor å motta passive ytelser. Derfor tror denne regjeringen på arbeidslinjen: Derfor arbeider vi med partene i arbeidslivet for å redusere sykefraværet. Derfor gjennomfører vi fra nyttår en pensjonsreform som bidrar til at det lønner seg å stå i jobb. jobb. Derfor arbeider vi med tiltak som økt tilgjengelighet, universell utforming og mer og bedre norskopplæring for innvandrere. Alt handler om å følge opp arbeidslinjen. Arbeidsledighet er sløsing med ressurser. Det svekker vår evne til å skape, og det svekker vår evne til å dele. Derfor vil regjeringen stå helt i front i kampen for høy sysselsetting og

trangere og vanskeligere ut da vi startet budsjettarbeidet i vår. Utgangspunktet vårt var at vi skal holde igjen på pengebruken i gode tider for å kunne bruke mer når tidene er dårligere. Derfor la vi opp til et budsjett for 2011 med uendret bruk av oljepenger og en innstrammende effekt. Dette innebærer at vi nå nærmer oss 4-prosentbanen – den forventede avkastningen av pensjonsfondet. Selv om vi brukte mye penger i 2009 og 2010,

Nå går utgiftene til sykelønn ned – flere milliarder kroner spart. Vi har hatt fokus på å få redusert ankomst av ubegrunnede asylsøkere. Nå går utgiftene ned med 2,7 mrd. kr i forhold til tidligere anslag. Vi har holdt orden i norsk økonomi, ledigheten er lav, og vi har økonomisk vekst. Nå går skatteinntektene kraftig opp. Dette har en dobbel effekt. Lav ledighet og økt vekst, lavere sykefravær og færre ubegrunnede asylsøknader er i seg selv viktig. I tillegg bidrar det til å skape rom for nye satsinger på andre viktige områder. I 2005 var regjeringens mål at alle barn som trenger det, skulle ha barnehageplass. Etter fire år nådde vi det målet. Mer enn 30 års innsats har gitt resultater. Nå har regjeringen satt seg et nytt stort mål. Innen 2015 skal alle eldre som trenger det, ha heldøgns omsorg. De skal få tilbud om sykehjemsplass, omsorgsbolig eller hjemmetjenester. Titusener av ansatte i omsorgssektoren gjør hver dag en fantastisk jobb. De aller fleste er kvinner, som trøster og bærer, vasker og steller, handler mat og gir medisiner, omsorg og omtanke. Men framover trenger vi enda flere i omsorgssektoren, mer kompetanse og bedre kvalitet. Vi skal gi flere et omsorgstilbud, og vi skal gi et bedre tilbud til dem som får det. I høst går vi flere viktige skritt for å få det til. Vi har sendt på høring en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Her samler vi kommunenes plikter, som i dag er spredt på flere lover, og det Vi vedtar en verdighetsgaranti, en ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Det har sin bakgrunn fra eldreforliket, hvor regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre gikk sammen for å sikre en bedre eldreomsorg. Denne garantien sikrer den enkelte eldre forsvarlig boform og et variert kosthold. De som mottar omsorg, skal kunne ha et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme, mulighet til å komme ut og ha noen å snakke med. De skal gis skikkelig oppfølging av lege og helsepersonell, og de som ønsker det, skal få enerom. For mange av oss er dette selvfølgeligheter, men det er dessverre ikke det for alle. Da skal vi gjøre noe med det. Vi har varslet en økning av det øremerkede tilskuddet til utbygging av sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger. Det økes med 40 pst. Vi har fjernet begrensninger som har gjort at noen kommuner har fått avslag. I forrige uke foreslo vi å bevilge en ekstra milliard i frie midler til kommunene, som bl.a. kan brukes til å bygge ut eldreomsorgen. I budsjettet foreslår vi å bevilge penger til utbygging av nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i 2011. I finanskomiteens innstilling er eldreomsorgen og frivillighetens rolle styrket ytterligere på flere områder. Dette er justeringer jeg er glad for, og som gjør tilbudet til de eldre enda bedre og styrker frivillighetens innsats i pleie- og omsorgstilbudet i landet vårt. I valgkampen i 2005 uttalte jeg at jeg ikke vil redusere skattenivået før det skinner av eldreomsorgen. Det gjentar jeg gjerne. Og det er mye igjen før det skinner av omsorgen både for yngre og eldre her i landet. Det minnes vi daglig på. For oss er dette viktigere enn å kutte skattene. Det er fortsatt et av de viktigste skillene mellom høyrepartiene og regjeringen. For skattekutt betyr velferdskutt. I budsjettet foreslår regjeringen på ny å bruke de store pengene til de store oppgavene: til omsorg til sykehus til skole og høyere utdanning til barnevern til vei og bane til miljø Slik legges nye steiner på byggverket for en god omsorg og en god velferd. Slik bygges den norske modellen videre ut. Det blir replikkordskifte.

for de har hørt landets rikspolitikere sitte i valgkamp etter valgkamp og love at eldreomsorgen skal bli bedre. Problemet er at selv med de tiltakene statsministeren nå snakket om, har ikke de som har et pleiebehov i dag, noen garanti for at deres behov vil bli ivaretatt – selv med det statsministeren nå nettopp sa. sa. Det handler om at det er kommunene som utfører jobben. Mitt spørsmål er: Er det ikke snart på tide å endre hele systemet, slik at pengene følger den eldre, i stedet for at de eldre blir kasteballer mellom kommunene og

og at det heldigvis er slik at flertallet av de eldre i Norge får den omsorgen de har behov for. Men så er det altså mangler, og det gjør vi noe med. Vi har økt de øremerkede tilskuddene med 40 pst. Vi har økt de frie inntektene med mange milliarder etter at vi overtok, og med en ekstra milliard nå for en ukes tid siden. I tillegg så er det kommunene som må følge opp det. Jeg er helt enig i at det er mange ansatte i pleie og omsorg som gjør en fantastisk jobb, men det gjelder jo som ønsker å tilby et alternativ til mangelfulle kommunale løsninger og mangelfulle offentlige løsninger. De opplever jo verken å bli hørt eller sett av den rød-grønne regjeringen, for de får høre at de er mer opptatt av kapital enn av å drive varm omsorg. Jeg prøvde å utfordre Helga Pedersen tidligere i dag. Når en privat klinikk som kan ta inn pasienter til operasjoner i morgen, men ikke får anledning til det på grunn av det offentlige systemet, vil jeg gjerne utfordre statsministeren, for han sto på talerstolen her i Stortinget på onsdag og sa at han var veldig for private. Men disse private trenger stabile, forutsigbare rammebetingelser. I dag er det slik at det kun er pasienter som har helseforsikring, eller som har råd til å betale for det selv,

Norge. Det var faktisk Arbeiderpartiet som startet innføringen av fritt sykehusvalg. Det er et system der man kan velge mellom å få behandling ved private sykehus eller offentlige sykehus. Vi innførte det innenfor regionene, og så ble det utvidet til hele landet i 2001. Det var Harlem Brundtland-regjeringen som startet arbeidet med fritt sykehusvalg på 1990-tallet. Ringvoll Klinikken har avtale, og der behandles pasienter for det Jeg var statsminister da vi innførte fastlegereformen, og den baserer seg på privatpraktiserende leger. Man må slutte å skape et inntrykk av at vi ikke ser betydningen av at de private gjør en viktig jobb. Vi er for at private bidrar, vi bevilger penger til det, og vi har institusjoner, som bl.a. Ringvoll Klinikken, som har avtale, og som behandler pasienter. Det vi er imot, er at markedet skal styre omsorgen her i landet. Det skaper forskjeller. Det skaper en dårlig forvaltning av våre felles ressurser, og det kommer vi til å

god idé. Jeg har mange flere forslag som regjeringen kan få lov til å låne hvis den ønsker å forbedre politikken og gi mer valgfrihet. Men jeg har lyst til å ta opp et annet tema. Jeg tror på regjeringen når den sier at den vil satse på arbeidsledige. Men, dessverre: Da vi så budsjettet i år, så vi at det gjør de ikke gjennomført. Vi har fått dokumentert at så vi at det gjør de ikke gjennomført. Vi har fått dokumentert at for en hel rekke grupper lønner det seg ikke å gå ut i jobb. Med summen av de ytelsene som gis, blir det altså mer penger i ytelser enn hvis man går ut i jobb. VG har også fått dokumentert dette med nye beregninger bl.a. fra Finansdepartementet. var å løfte minstefradraget nok. Det har vi foreslått i dette budsjettet, fordi det vil bety at folk med lav lønn får den største delen av skattelettelsene, og dermed vil arbeidslinjen styrkes . Hvorfor støtter ikke regjeringen det? Først til dette med fritt valg. Det var Arbeiderpartiet som startet med innføring av fritt sykehusvalg innenfor helseregionene. Så er det senere utvidet. Vi startet det på 1990-tallet. Det var Arbeiderpartiet i Oslo som først innførte fritt sykehjemsvalg, og det var Stoltenberg I-regjeringen – en utmerket regjering – som innførte fritt valg av fastlege basert på privatpraktiserende leger. Så høyresiden må nå slutte å konstruere fiender de ikke har. De skaper et bilde av oss som simpelthen er helt galt. Vi har også sørget for det aller viktigste, nemlig at ved å satse på private barnehager har barnefamiliene fått et reelt valg når det gjelder å velge hvis det ikke er nok tilbud, enten det er offentlig eller privat. Det avgjørende er at markedet ikke styrer. Når det gjelder arbeidslinjen, så er Arbeiderpartiet for arbeidslinjen. Vi har faktisk alltid vært for den, og vi er fortsatt for den. Vi har lagt til rette for at vi har høyere sysselsetting, flere mennesker i arbeid nå enn da Høyre satt i regjering, flere ansatte i privat sektor og lavere ledighet. Vi kan godt ta historiedebatten en dag, men jeg har fortsatt lyst til å konsentrere meg om de unge menneskene som møter opp, ønsker å komme ut i arbeidslivet, men ikke får det til, og som blir fortalt at uføretrygd er veien deres. Det er faktisk en del av dem. 40 pst. av de som er uføretrygdede, har i dag store problemer med å lese og skrive. Det er faktisk et av de store, grunnleggende problemene – at unge voksne, men også eldre voksne ikke kan lese og skrive så godt at de klarer å henge med når arbeidslivet forandrer seg. så godt at de klarer å henge med når arbeidslivet forandrer seg. Jeg har tidligere skrevet til regjeringen, ved to tidligere statsråder, og bedt om at vi innfører en nasjonal dugnad for lesing og skriving blant voksne. Det vil bidra til at utstøtingen fra arbeidslivet blir mindre. Arbeidslinjen blir sterkere. Istedenfor å sende folk i en sykeliggjøringsprosess hjelper vi dem til å mestre livet og stå på egne ben. Hvorfor er regjeringen imot å sette i gang en skikkelig nasjonal dugnad knyttet til lese- og skriveproblemer blant voksne?
viktig at flere unge slipper å leve hele livet på uføretrygd når mange av dem egentlig har mulighet til å komme seg i jobb. Det handler bl.a. om de tingene som representanten Solberg snakker om, som utdanning. Alt det vi gjør for å redusere frafall i videregående skole, er grunnleggende sett også tiltak som vil hindre senere uføretrygd blant unge. Vi har økt bevilgningene ganske kraftig når det opplæring i arbeidslivet, f.eks. i norsk og i data. Så det er vi allerede i gang med og har altså økt det kraftig. Så vet vi at rusbehandling og psykiatri, også to områder der vi har økt innsatsen, er viktig for å redusere det at unge blir tidlig uføretrygdet. Men så er det en viktig ting: Mange unge er i en situasjon der det ikke er noe alternativ. Noen er født uføre, andre utsettes f.eks. for alvorlige bilulykker. De skal selvsagt ha krav på uføretrygd. Den skal være god, den skal ikke kuttes, og de skal motta den uten å skamme seg. Då passar det å fortsetje med uføretrygd. Eg la merke til at statsministeren ikkje snakka noko om det i innlegget sitt, men han snakka mykje om det i går – hos LO. LO. Eg har lagt merke til at det er ein del dobbeltkommunikasjon i bodskapen. Statsministeren har eit eksempel som han likar veldig godt: Han samanliknar ein heis med lønstillegg eller auka pensjon, og så seier han: Viss du tek heisen til tiande etasje, men hadde planlagt å ta han til tolvte, har du då gått opp eller ned? Eg synest det er eit ganske irrelevant eksempel, for resten av befolkninga tek heisen til tjuande etasje, og i den nye modellen kan me ta ei trapp opp heilt til topps, viss me ønskjer det. Dei som er uføre, kan ikkje eingong ta trappa. I Klassekampen i dag uttaler statsministeren: «Det skal ikke bli kutt i alderspensjonen, tvert om den skal øke i årene framover.» Ut frå desse sitata trur eg folk flest opplever at statsministeren avlyser uførepensjonen som eit innsparingsprosjekt. Kan statsministeren no nekte for at han skal spare pengar på dei uføretrygda? Svaret på det spørsmålet er ja. Vi legger ikke opp til noen endring av uførepensjonen som gjør at vi reduserer de samlede utgiftene, bevilgningene, rammene for uføreordningen. Den skal videreføres innenfor det Finansdepartementet kaller provenynøytrale rammer, som altså betyr ikke innstramninger. Det representanten kanskje tenker på, er alderspensjonen, som er en annen sak. sak. Der synes jeg det bildet med heis er veldig godt, for poenget der er at utgiftene til alderspensjon jo skal fortsette å øke, samlet sett, og pensjonen til den enkelte kommer også til å øke i årene som kommer. Men ja, de kommer til å øke noe mindre enn de ville gjort uten Pensjonsreformen. Men det betyr ikke kutt. Det betyr mindre økning, og mindre økning er ikke «ned». Mindre økning er «opp». Det står jeg ved. Statsministeren var veldig opptatt av velferden i dag og ved. Statsministeren var veldig opptatt av velferden i dag og arbeidsplassene i dag, og at ingen skal ha rett til å klage i dette landet. De tingene som jeg er mest stolt av, er det Venstre-folk har stått for her i salen. Det er de store grepene. Det har ofte skapt konflikter, men har vært en pekepinn framover, som Johannes Steens skolereform, som jeg tok opp i dag, eller Gunnar Knudsens reformer knyttet til arbeidslivet. De store pengene skal brukes på de store oppgavene, sa statsministeren, og han kunne ha lagt til: de store oppgavene i dag. Det regjeringa – den rikeste regjeringa i historien – her velger, er å prioritere oppgaver i dag, men ikke prioritere de store valgene for framtida. Det handler om kunnskap, det handler om forskning, det handler om studieplasser til dem som skal bygge arbeidsplasser i framtida, det handler om miljøsatsing – det nye ufødte næringslivet, alle de ideene som skal skape arbeidsplasser i framtida. Det legger ikke dette budsjettet til rette for. Så kanskje kan vi si at statsministeren egentlig er den sanne populist? Man bryr seg bare om folk i dag, ikke om framtida. Nå har representanter fra opposisjonen, også fra Venstre, siden 2005 sagt at vi ikke legger forholdene til rette for framtiden og ikke legger til rette for bedrifter og nyskaping. Vel, det er gått fem år, og vi har hatt nyskaping, vi har hatt nye bedrifter, vi har høyere sysselsetting, vi har masse entreprenører, og vi kommer svært høyt i internasjonale kåringer av hvor det er godt å starte bedrifter og drive bedrifter. Så det er faktisk slik at når det gjelder det å starte bedrifter, går det ganske bra i Norge. Også der er det slik at vi nå har flere private bedrifter, flere sysselsatt i privat sektor enn vi hadde under den forrige regjeringen. Så er vi ikke fornøyd. Men det å høre at vi Men det å høre at vi ikke bryr oss om det, blir litt pussig. Dessuten tror jeg også vi skal komme i den situasjonen at ikke alt det vi er for, skal måles i hvor mange penger vi bevilger til det. Men jeg tror f.eks. at det at vi er forsvarlige og ansvarlige i den økonomiske politikken, at vi holder orden, slik at rentene er lave, kanskje er det aller viktigste bidraget vi gir til å skape gode vilkår for store og små bedrifter og for dem som ønsker å skape nye virksomheter her i landet.

motbakke. Det skyldes vel ikke bare meningsmålinger, men det kan jo hende at man har oppdaget at man i løpet av fem år har brukt en haug med penger uten å få til så veldig mange resultater, annet enn at man sitter igjen med ganske mange fortørnede velgere som vender en ryggen. Det skyldes jo at man har glemt å modernisere Norge. Man har glemt at det at vi er et velferdssamfunn på toppen av verden, faktisk forutsetter kontinuerlig omstilling og modernisering. Derfor går heller ikke skremmebildene av et blå-blått samarbeid, eller hva det nå kalles, særlig godt hjem – nettopp fordi argumentasjonen er bygget på sandgrunn. Den er bygget på sandgrunn, for Høyre har en historie med å bygge sikkerhetsnett. Konservatismen har et innebygd sosialt engasjement. Derfor var det under Emil Stangs statsministertid at den første sosiale trygdeordningen ble vedtatt. vedtatt. Det var ni år før Arbeiderpartiet var representert på Stortinget. Den er bygget på sandgrunn fordi folk vet at Høyre står for forsvarlig økonomi – det skal godt gjøres å så tvil om det. Vi står for et samfunn der vi har fokus på like muligheter for alle, et samfunn der valgfrihet er en rett, og at staten tjenesten, mens man har valg mellom å bruke offentlige eller private. Det er ikke privatisering, som jeg ser kommer mer og mer fram i debatten. Det handler mer om at ressursene i samfunnet faktisk skal brukes fornuftig og effektivt.

Det er jo dette som skaper grunnlag for rekord i antall private helseforsikringer. Jeg noterte meg at representanten Kolberg var innom privatisering av skolen. Det er klart at hvis man ikke får orden på skolen, er det en del som begynner å betale for veien rundt. Det er privatisering. Når folk ikke lenger vil bruke det tilbudet det offentlige legger til rette for, og betaler selv, da har man reell privatisering. Da får man et todelt samfunn. samfunn. Det er det faktisk den rød-grønne regjeringen som står bak, hvis man ikke tar utfordringene på alvor. Jeg fulgte ganske nøye med da finansminister Johnsen snakket om handlingsregelen. Det var bare ett parti som hadde skrotet handlingsregelen, tror jeg han sa. sterkt. Jeg kunne jo lese opp fra handlingsregelen slik som den ble utformet i 2001. Det illustrerer at det er en ganske stor forskjell også mellom Stoltenberg I-regjeringen og Stoltenberg II-regjeringen. Det var en liten replikkveksling her hvor Stoltenberg brukte eksempler fra Stoltenberg I-regjeringen som rettesnor for hva han sto for. Men det handlingsregelen også la vekt på, var at oljepengene skulle brukes til vekstfremmende tiltak som som rettesnor for hva han sto for. Men det handlingsregelen også la vekt på, var at oljepengene skulle brukes til vekstfremmende tiltak som skattelettelser, de skulle gå til forskning og utdanning, og de skulle gå til å utbygge infrastruktur. Fem år med rød-grønn regjering viser at en og en halv av ti nye oljekroner inn i økonomien har gått til den typen investeringer. Under Bondevik II-regjeringen var det ni av ti kroner som gikk til det. Jeg tror vi alle erkjenner at vi bor i et veldig godt samfunn. Vi ønsker å forbedre det, men da må det bli en helt annen trøkk på forbedringene. Ellers tror jeg det eneste Europa misunner oss, at vi har masse oljepenger, bare utsetter de utfordringene Europa nå møter. Vi kommer også til å få de for fullt om noen år. Det er det også litt underlig at de rød-grønne ikke tar inn over seg. Hvis vi leser nasjonalbudsjettet,

Utfordringene i forbindelse med eldrebølgen kommer på oss allerede rundt 2020. Så skal jeg snakke litt om skatt, for Høyre er svært gjenkjennbar i skattepolitikken. Vi ønsker bærekraftig vekst. Vi ønsker fokus på å skape godt norsk eierskap, at det skal lønne seg å arbeide, at boliger og sparing skal lønne seg og være skjermet fra beskatning, og at det skal lønne seg å investere i arbeidsplasser. Vi tar sentralbanksjefens advarsler fra i fjor på alvor. Vi ser at vi har en privat sektor som fortsatt sliter, og som man skulle hatt mye mer stimulans inn i. Det viktigste grepet vi gjør, er minstefradraget. Det er et svært treffsikkert virkemiddel inn mot lavtlønte, og har en meget god sosial profil. Vi hever også innslagspunktet for toppskatt med 9 000 kr mer enn regjeringen. Totalt sett gir dette en veldig god profil når det gjelder å stimulere til arbeid. Jeg forundrer meg over representanten Thorkildsens innlegg tidligere, hvor hun påstår at de som har 3 mill. kr i inntekt, får mye mer i skattelettelser enn de med lave inntekter, når det gjelder å stimulere til arbeid. Jeg forundrer meg over representanten Thorkildsens innlegg tidligere, hvor hun påstår at de som har 3 mill. kr i inntekt, får mye mer i skattelettelser enn de med lave inntekter, med Høyres forslag. Våre skattelettelser er nøyaktig like for alle som tjener mer enn innslagspunktet for toppskatten og oppover. Det gir ikke mer i skattelette på inntekt. Men vi har fokus på formuesskatt. Og det fokuset på formuesskatt er nettopp fordi formuesskatten som en veldig drivkraft i forhold til innovasjon og nyskaping. Formuesskatten er en viktig del av vårt skatteopplegg, nettopp fordi vi har tro på at vi må få et helt annet fokus på innovasjon og nyskaping. Formuesskatten er beskatning av allerede beskattet kapital og stimulerer definitivt ikke til sparing. Vi gjør derfor også grep i forhold til folks bolig. I fjor ble bunnfradraget hevet kraftig. Det var vi for. Men regjeringen viser i år sitt sanne jeg ved ikke å heve bunnfradraget i det hele tatt, og fjorårets øvelse var vel mer et utslag av at man måtte krydre det litt når man hever gjennomsnittlig verdsetting av bolig fra 20 pst. til 25 pst. av markedsverdi. Vi senker den igjen til 20 pst. av markedsverdi. Jeg tror den knipetangsøvelsen som regjeringen har foretatt overfor norsk eierskap, er ganske kritisk for norsk vekstevne framover. Det at Senterpartiet er med i en regjering som har doblet formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av fem år, fra 3,4 mrd. kr til 6,7 mrd. kr, mener vi er både besynderlig og og skadelig for norsk økonomi. Pensjonistskatten har vært sterkt framme i debatten i løpet av høsten. Vi ser at skal vi nå målsettingen i Pensjonsreformen og styrke arbeidslinja, må vi gjøre noe for å få bort skattebegrensningsregelen. Den gjør at mange pensjonister med lav pensjon har en marginalskatt på 55 pst., og det stimulerer ikke akkurat til innsats. Derfor er vi enig i hovedgrepet som gjøres. Samtidig mener vi at skjæringspunktet for skatteøkninger kommer altfor tidlig. Så vi gjør grep som hever skjæringspunktet kraftig. Kombinerer vi det med de andre skattegrepene våre, er det ingen pensjonistgrupper som får skatteøkning med Høyres opplegg. Det kunne jo vært interessant om det hadde blitt reelle forhandlinger rundt de grepene. Så gjør vi også en rekke grep mot næringslivet, som startavskrivninger, og vi introduserer investeringsfond for enkeltpersonforetak. Det er noe som Senterpartiets velgere burde etterlyse ganske kraftig, og som de har etterlyst kraftig, men som Senterpartiet nå antakeligvis blir med på å stemme ned. Vi løfter SkatteFUNN tilbake til det nivået det var på under Bondevik II, og vi stimulerer ungdom til å spare gjennom BSU-ordningen. Totalt sett mener jeg at vi har et meget godt skatteopplegg som er godt balansert for å skape vekst og muligheter og stimulere til sparing, og det er noe Norge trenger framover for å sikre den velferd vi har i dag. Det blir åpnet for replikkordskifte.

Den eneste kilden jeg har funnet for Fremskrittspartiets beregninger, er en artikkel i bladet Samfunnsøkonomen nr. 4 i år. Men den samme artikkelen gjør jo klart rede for at den gevinsten gjelder en helt spesifikk endring, og at andre typer endringer ikke vil ha samme dynamiske effekt. Hva er i det perspektivet bakgrunnen for at Høyre har lagt inn bare 300 mill. kr? Og hva tenker skattepolitisk talsmann i Høyre rundt at Fremskrittspartiet har klart å legge

Statssekretær Schjerva har et innlegg i Dagens Næringsliv i dag hvor han beskriver de dynamiske effektene. De dynamiske effektene tror jeg nå begynner å bli godt etablert. Det er klart at vi mener at Fremskrittspartiet er rimelig optimistiske i anslaget av sine dynamiske effekter, men vi er også veldig konservative. Jeg tror ikke vi ville hatt noen problemer med å forsvare større, men vi ønsker ikke å komme i den posisjon hvor det blir satt spørsmålstegn ved det. Vi ønsker heller at det er fokus på at dynamikken rundt skatt er ganske sterk, og vi venter vel heller på at regjeringen nå skal begynne å akseptere det ut fra de analyser man selv har gjort i Finansdepartementet. Næringsklyngje der store og små bedrifter samarbeider godt med universitet eller høgskolar, er Næringsklyngje der store og små bedrifter samarbeider godt med universitet eller høgskolar, er kanskje eit av dei mest effektive næringstiltaka ein kan ha. Det er kanskje det næringstiltaket som i størst mogleg grad utnyttar kompetanse for nyskaping og verdiskaping. Slike klyngjer blir finansierte bl.a. gjennom to program, Norwegian Centres of Expertise og Arena. No viser det seg at Høgre i sitt alternative statsbudsjett

Og spesielt på Sørlandet som har klyngje som NODE, som verkeleg er lyfta med desse finansieringane, korleis kan du gå og fortelje dei at dei klyngjene skulle ha vore nedlagde? Jeg synes jo at spørsmålsstilleren kunne være konkret i forhold til hvilke innsparinger han da tenker på, for jeg tror ikke vi har noen nedskjæringer som gjør at det ikke går an å prioritere fortsatt innenfor reglene. De eneste midlene vi fjerner, er fylkeskommunens regionale utviklingsmidler. De ser jeg har utviklet et ganske stort byråkrati i fylkeskommunen. Jeg tror svært lite penger kommer til næringslivet. Det vi imidlertid gjør, er å plusse på 400 mill. kr til regional utvikling som kommunene skal disponere. Man kan gjerne gjøre prioriteringer innenfor Innovasjon Norge når det gjelder næringshaver, inkubatorer og disponere. Man kan gjerne gjøre prioriteringer innenfor Innovasjon Norge når det gjelder næringshaver, inkubatorer og den type virkemidler, som jeg også har ganske sterk tro på. Jeg tror det er viktig å finne arenaer der forskning og forskjellige aktører møtes for å skape ny virksomhet ut av den kunnskapen man har. Representanten Gundersen snakker med rørende omsorg omkring sikkerhetsnett og like muligheter. Det

Når det gjelder formuesskatten, er det som er kjernen i Høyres argumentasjon mot formuesskatten, sjølsagt at finanskapitalen vil slippe beskatning hvis en tar vekk formuesbeskatningen, for alternativet til formuesskatt er eiendomsskatt, og da slipper også finanskapitalen skatt. Det som imidlertid er det sterkeste, er at representanten Gundersen, som kommer fra Hedmark, ikke har større fokus på næringslivspolitikken og det grønne næringslivet. Regjeringa legger til rette for at en altså skal satse på det grønne næringslivet i forhold til våre fornybare naturressurser, og det er derfor ganske trist at ikke Høyre har en klar og høy profil på det punktet.

velgergruppe innenfor landbruket. Så et betydelig tiltak for å bedre egenkapitalsituasjonen i landbruket er å ta bort formuesskatten. Men det viktigste er å stimulere til et bredt privat eierskap i Norge, for det tror jeg er selve kjernen i forhold til ny innovasjon og arbeidsplasser. og arbeidsplasser. Den som sitter på et eierskap av en liten bedrift, har ikke andre muligheter enn å ta mer kapital ut av bedriften for å dekke formuesskatten. Det er argumentet for å fjerne formuesskatten. Jeg er stort sett en nøktern og konsensusorientert mann, og det tror jeg Gunnar Gundersen også er. tror jeg Gunnar Gundersen også er. Jeg ser at Høyre har lagt sin retorikk inn mot sentrum og snakker mer om mennesker og mindre om milliarder, som de selv varslet at de skulle gjøre. Det er bra. Men er det ikke tid for erkjennelse av at hvis Fremskrittspartiet og Høyre kan gå sammen om å danne den blåeste regjering landet har hatt, blir det ganske dramatiske endringer, at det er problematisk at så mange millionærer kan bli nullskatteytere, og at det blir redusert vekst i kommuner og

området. Nå skal man også ha respekt for at nullskatteyterproblematikken har to sider. Driver man næringsvirksomhet, går det faktisk an å tape penger. Jeg vil tro at også en rød-grønn politiker synes det er høyst urimelig at man skal betale skatt hvis man ikke tjener penger. Da er det i hvert fall å svekke arbeidsplassene i de bedriftene den eieren har, hvis man fortsetter å skattebelaste den. Så har vi en nullskatteyterproblematikk ut fra planlegging. Der skal vi bli med på en diskusjon. Jeg tror vi også vet hvilke tiltak man kan sette i verk for å få bukt med den. Dermed er replikkordskiftet omme. Finanskrisen er en tung og dramatisk realitet i mange europeiske økonomier. Jeg har lyttet veldig nøye til debatten i dag, og jeg legger merke til at det synes som om det er

Sanner, som er Høyres fremste talsmann på området, sa imidlertid at dette skyldes jo oljen, det skyldes gode råvarepriser, og det skyldes gode og konkurransedyktige bedrifter. I det minste er det da slik at det er en godkjenning av den økonomiske politikken som vår regjering har ført gjennom disse årene på vesentlige områder. Vi har gode og konkurransedyktige bedrifter i Norge i dag som klarer å stå imot i vanskelige økonomiske tider for europeisk og vestlig økonomi. Men Sanner sa, som det er grunn til å merke seg, ikke ett ord om at dette var politikerstyrt. Når regjeringen hadde muligheten til å gå til Stortinget med alle de tiltak som også så er tilfellet, og at det er dette som er bakgrunnen for at det er mulig for Norge i dag å kunne si at vi har kommet oss godt igjennom finanskrisen. Det budsjettet som er til behandling i dag, og som vi skal votere over

Jo, det kommer selvfølgelig av at vi har et samkvem hvor staten faktisk spiller en mye større rolle, og at den ikke blir undergravd av politiske vedtak. Så går det en historisk tråd gjennom denne debatten, nemlig spørsmålet om skatt, en reduksjon i skatten – og nå handler det om formuesskatten. Gjennom alle år har det vært slik at høyrepartiene konsekvent har snakket om at det er for mye skatt alltid for mye skatt. Hadde det ikke vært formuesskatten, hadde det vært en annen skatt. Og hadde det ikke vært skattene, hadde det vært avgiftene. Slik har det alltid vært, og det hører vi her nå også. Da er problemstillingen den, som jeg synes det norske parlamentet skulle forholde seg til: Hvilke andre økonomier som har brukt resepten som blir forfektet her, nå nettopp også av Gundersen, er av en sånn karakter at man kommer ut av den krisen som Europa er i? Det er jo de økonomiene som har senket skattene, skapt et såkalt fleksibelt arbeidsliv ved å redusere arbeidstakernes rettigheter i arbeidsmarkedet og skapt ustabilitet i det, som ødelegger og undergraver verdiskapingen i den kapitalistiske økonomi. Det er faktisk det som foregår. foregår. Dette viser at det budsjettet som regjeringen har lagt fram, og som er en videreføring av en helhetslinje, er det som er bolverket mot denne utviklingen, og at vår analyse har vært riktig, nettopp fordi vi har greid en verdiskaping høyere enn noen gang før, i tillegg til at vi har gitt arbeidstakerne en reallønnsøkning som er langt utover hva vi har sett i noen annen økonomi. Det er det som er situasjonen. Dette klarer ikke opposisjonen å møte. Derfor står de her og klager over formuesskatten, som jo er en liten ting i det store bildet. Det er det eneste de har å komme med som opposisjon til det budsjettet som ligger der. Jeg ser at tiden snart er ute, president, så jeg skal prøve å komme tilbake til hele privatiseringsspørsmålet

hvorfor Rimi-Hagen og REMA 1000-eier Reitan er blitt milliardærer på å selge billig mat. I deres verden er dette en umulighet – hvordan kan de tjene mer penger på å sette ned prisen på en vare? I 1998–1999 fikk Fremskrittspartiet flertall i budsjettsamarbeidet med sentrumsregjeringen for å fjerne noe som het verdiavgiften på personbiler, en avgift som slo inn med 100 pst. når innførselsverdien på en bil Dette kostet ifølge Finansdepartementet 50 mill. kr i tapt proveny. Da regnskapstallene for dette året var ferdig, kom det fram at det var det motsatte som var tilfellet. På grunn av at disse bilene var mulig å kjøpe for vanlige folk, ble det solgt så mange at det faktisk ble en inntekt for staten og ikke en utgift. Nå vet jeg ikke om statsråden, Finansdepartementet og lederen i finanskomiteen ikke forstår dette med dynamiske effekter, eller om de bare later som de ikke finnes. Resultatet blir feil uansett, og jeg vil ikke anbefale noen av dem å starte en bedrift, for hvis de bruker samme logikken der, vil det bety at jo høyere pris de setter på varen, jo mer vil de tjene. Slike bedrifter bruker ikke å overleve så lenge. Det samme vil gjelde for skatter og avgifter. Ved å redusere disse vil omsetningen stige og gi samme virkning som REMA 1000-eierne opplever. Ved å senke skatten på inntekt, eller progresjonen i skattesystemet, vil flere ønske å arbeide mer, enkelt og greit fordi de får beholde mer av inntekten. Det igjen vil bety at omsetningen av skattbar inntekt stiger, og lavere skatt fører til at flere bidrar. Dette fører til flere etableringer og arbeidsplasser. Når regjeringen og Finansdepartementet til de grader går til angrep på oss når det gjelder dynamiske effekter, hvorfor har de da satt ned arbeidsgiveravgiften i enkelte deler av landet? Er det Er det for å være snill med nordlendinger, eller er det fordi de tror at det skaper flere arbeidsplasser? Fremskrittspartiets avgiftsreduksjoner inneholder reduserte bilavgifter, redusert bensin- og dieselavgift, redusert dokumentavgift, redusert elavgift og fjerning av arveavgiften. I tillegg fremmer vi en grensehandelspakke hvor vi foreslår å redusere tobakks- og alkoholavgiftene. Spesielt i de grenseliggende strøkene vil dette føre til flere arbeidsplasser i Norge. I dag er handelslekkasjen til Sverige på over kr. Det er flere grunner til det, men avgiftsnivået på alkohol og tobakk er en av hovedårsakene. For dem som måtte lure på den dynamiske effekten av dette, så ville det vises ved økt avgiftsinngang fordi salget av tobakk og alkohol ville i stor grad overføres fra Sverige til Norge, økt inngang av moms fordi folk ville handlet i norske butikker, samt høyere skatteinngang fra dem som ville blitt ansatt i norske butikker. Fremskrittspartiet fjerner også effektavgiften på Det vil føre til at befolkningen i større utstrekning vil kunne velge den bilen de selv mener de har behov for. I tillegg vil det føre til at den delen av bilparken som har størst behov for å bli fornyet – de større familiebilene – blir byttet ut med biler med ny teknologi. I flere år har flyttingen fra distriktene inn til sentrene økt. De siste tallene fra Nordland viser det klart. Det er mange grunner til det. Men en fellesnevner for regjeringens tiltak mot dette og den stadig økende flyttestrømmen flyttestrømmen er at jo flere som flytter, jo mer av de samme tiltakene setter regjeringen inn. Jeg har mange ganger lurt på når regjeringen skal forstå at når en bruker feil medisin, nytter det ikke å pøse på mer av samme medisin. Derfor bruker Fremskrittspartiet en annen medisin. Og selv om dette er et sammensatt problem, finnes det to områder som er viktige. Det ene er å senke avgiftsnivået på de avgiftene som forsterker avgiftskostnadene

Martin Kolberg bekymret seg for at hans tid på talerstolen var ute, men jeg kan opplyse om at regjeringens tid også er i ferd med å gå ut. Det som jeg føler at denne debatten har vært rimelig klar på, er at regjeringen rett og slett tar tapet på forskudd i 2013 og forteller om de «farene» man ser når de borgerlige partiene overtar flertallet i denne sal, men også styringen av landet gjennom regjeringen. Man ringes inn av de andre landene. Tidligere har Arbeiderpartiets statsråder snakket om den nordiske velferdsmodellen. Så har man snakket om den skandinaviske velferdsmodellen, men etter hvert som de andre landene har fått borgerlige regjeringer, som attpåtil er blitt gjenvalgt, så snakker man nå kun om den norske modellen. Det er ganske betegnende for truslene som kommer – hva som skal skje når det blir en borgerlig regjering her. De viser med andre ord at folket stort sett vil ha det, og vi klarer å få til en god politikk. Inga Marte Thorkildsen kom med en ganske heftig definisjon på sivilisasjon. Hun sa at grunnlaget for sivilisasjon er en høy beskatning. Grunnlaget for sivilisasjon trenger ikke nødvendigvis være en høy beskatning, men bl.a. en sterk offentlig stat. stat. For Høyres del har vi prioritert ganske kraftige skatte- og avgiftslettelser, og når det gjelder avgiftslettelsene, har vi for vår del lagt vekt på å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2011. Arveavgiften er én ting – den er vi vant med i forhold til hus og hjem som vi har arvet av foreldre og besteforeldre. Men jeg vil også legge vekt på den arveavgiften som gjelder bedriftene våre.

og svekke egenkapitalen i bedriften, eller selge deler av aksjene. Men hvem er det som kjøper 10 pst. av et selskap, og til hvilken pris gjør man det – en dårlig pris? Og man får rett og slett dårlig innflytelse med 10 pst. eierandel. Det har dessverre vært starten på et salg av Nergård-konsernet, og vi kunne i forrige uke lese en notis i Dagens Næringsliv om at hadde sitt utspring i et dødsfall, det hadde sitt utspring i en arveavgift. Forhåpentligvis klarer konsernet å drive videre, men det viser at arveavgiften rammer familieeide bedrifter i Distrikts-Norge som i utgangspunktet går godt. Det er faktisk en av årsakene til at Høyre ønsker å fjerne arveavgiften, for det er faktisk en trippel beskatning på noe som allerede er beskattet.

forrige regjeringen som Senterpartiet satt i. Det som er viktig for oss å se, er at man har innført en CO2-avgift som kommer i tillegg til plikten om kvoter. Det tror jeg finansministeren nå begynner å bli obs på etter betydelig mange spørsmål fra Høyre gjennom spørretimer og i forbindelse med budsjettet. Det er faktisk et alvorlig problem at komiteen og departementet selv sier at man skal unngå dobbel virkemiddelbruk av hensyn til effekten, og av hensyn til miljøavgifter, respekten for andre skatter og avgifter – og så har man altså påført dobbeltavgift med åpne øyne. I forrige spørretime var ikke finansministeren her, men miljøvernministeren svarte på et annet relatert spørsmål. spørsmål. Det er helt åpenbart at Finansdepartementet ikke har tenkt godt nok igjennom hvordan man bruker avgifter for miljøet – som er vel og bra – hvis man i tillegg slenger på en kvotepris med kvoteplikt og som ved gasskraftverket på Kårstø i tillegg har en for lav gratis kvote, hvis man sammenlikner med Mongstad. Da blir det en trippel og gjerne firedobbel virkemiddelbruk, når vi vet at elektrisk strøm har en elavgift i tillegg for forbrukeren.

opp. En annen ting som Høyre har gått imot, er en økning av alkoholavgiftene. Regjeringen fremmet en ganske kraftig økning i brennevinsavgiftene. Finansministeren brukte selv i sin pressekonferanse argumentet med at Sverige økte sin avgift. Problemet på den tiden var nok at departementet heller ikke hadde kvalitetssikret det aspektet, for den svenske regjeringen har foreløpig ikke valgt å innføre den. Da får man en ensidig norsk avgiftsøkning som er ganske heftig, og som ikke har alkoholpolitisk begrunnelse. Den har kun konsekvenser for grensehandel og andre negative effekter. Derfor stemmer

regjeringen. Det er ingen tvil om, som Helga Pedersen var innom, hva som skjer to og tre år etter at et borgerlig budsjett er lagt fram. Da vil man bl.a. se betydelig tøffere krav til administreringen av Norge, betydelig tøffere krav til forenkling og til avbyråkratisering, som igjen vil føre til færre – hva skal vi si – byråkratarbeidsplasser. Denne regjeringen – Stoltenberg-regjeringene – har i løpet av sine snart seks år ikke bidratt til å redusere bedriftenes andel av byråkrati fra 54 mrd. kr til noe lavere. Det er en ganske stor

og stille krav til departementsråd og byråsjefer om at man faktisk gjennomfører forenkling. Jeg tror at den innfallsvinkelen i hvert fall ikke ligger i ryggmargen på SV-statsrådene, og kanskje ikke på så veldig mange arbeiderpartistatsråder heller. Der tror jeg det hadde vært en stor endring når den nye borgerlige regjeringen kom debatt, tydeligvis også internt i regjeringen, for kulturminister Anniken Huitfeldt sier rett og slett at saken om moms på e-bøker ikke er avgjort. Det har hun sagt i en spørretime. Finansministeren har vel vedtatt eller lagt fram noen budsjetter som sier at så er tilfellet, og hans statssekretær Skjerva har gjentatte ganger vært der. SV er vel nå det partiet som er mest for moms på e-bøker, i tillegg til byråkratene i Finansdepartementet og selvfølgelig finansministeren. Høyre har i sitt alternative statsbudsjett sagt at vi ikke ønsker moms på e-bøker. Nå er det riktignok slik at vi i dag endelig har fått en gledelig nyhet, rett før iPad kommer til det norske markedet. Cappelen Damm er den første til å komme ut med relativt billige bøker flott jobb som veldig mange har etterlyst. Høyre tror at hadde man i tillegg klart å få momsfritak, hadde man fått en ny industri i Norge som hadde vært forbrukervennlig, vært moderne og tatt de språklige politiske hensynene som et samlet storting egentlig har gjort helt til SV fikk en statssekretær i Finansdepartementet. Høyre har et godt budsjett og

Høyre-representanter, er særdeles viktig. Det er nemlig Høyres mantra: skattelette! Men det er ett område Høyre har skatteskjerpelse på. For noen dager siden behandlet vi et forslag her i salen som gjaldt fradragsretten for fagforeningskontingenten. Forslaget gikk ut på å legge forholdene til rette for at flere skulle få denne fradragsretten. I den debatten ble det lagt vekt på at det «er et verktøy for å ha en høy andel fagorganiserte». Da spør jeg representanten Kambe om hvorfor i all verden han foreslår at dette området skal få en skatteskjerpelse. Hvorfor er det bare de fagorganiserte som skal få en skatteskjerpelse? Takk for gratulasjonen. Jeg kjenner til den formuleringen som Opheim viser til. Det var faktisk min formulering som saksordfører i saken. Høyre er opptatt av ryddige forhold i arbeidslivet. Høyre er svært opptatt av at

fordi den rød-grønne regjeringen har hatt en så sterk økning i fradraget – langt utover lønnsstigningen, langt utover annen prisstigning – må vi tilbake igjen til det nivået vi hadde under Bondevik-regjeringen. Det er et helt annet nivå. Samtidig er det bl.a. sånn at Høyre øker minstefradraget med 5 000 kr, og bare med det har Høyre

at Høgre ikkje har kutta i dei finansieringsordningane som er med på å leggje grunnlaget for støtta til Norwegian Centres of Expertise og Arena, nokre program som er veldig viktige for næringsutvikling og for moderne og framtidsretta næringsutvikling. No har eg vore og henta side 74 i Høgre sitt alternative statsbudsjett, og der det står det at dei kuttar 200 mill. kr i Nasjonalt samarbeid for regional utvikling, som bl.a. går til disse programma, fordi dei skal bruke meir pengar på oljeboring i nord. Vil representanten frå Høgre framleis påstå at dei ikkje kuttar i finansieringa som er med på å Høyre har en ganske omfattende og god næringspolitikk. Som flere har vært inne på i dag, knyttes det bl.a. opp til ca. 10 mrd. kr på skatte- og avgiftsnivået, som bidrar til at bedrifter skal få det bedre. Så det er helt rett. Høyre har programfestet både at vi skal avskaffe fylkeskommunen, og at vi skal gjøre noe med fylkesmannsembetene. Det har gjort at vi faktisk har tatt vekk en del av de fylkeskommunale næringsmidlene og bl.a. overført, som også Gundersen påpekte, 400 mill. kr til kommunene. Vi har, som representanten Holmelid kanskje bør legge mer merke til når samferdselsministeren og finansministeren er her, satt av 200 mill. av dem til de fylkeskommunale riksveimidlene nettopp fordi vi skal få bygge vei. Når vi er på bedriftsbesøk,

i det hele tatt? Jeg skjønner godt at Lundteigen er opptatt av formuesskatten, for det er faktisk velgerne hans også. Jeg tror at hadde Lundteigen fulgt opp de flotte ordene han sier om realkapital, så ville faktisk bøndene sluppet å betale formuesskatt av traktoren sin og av plogene sine. Og hvis i tillegg representanten Lundteigen kunne fått anledning til å si hva han mener om avskrivningssatsene, som Høyre foreslår å øke, og som bl.a. også kommer næringslivet til gode, redusert formuesskatt og arveavgift, hadde det vært bra. Når det gjelder andre måter å beskatte næringslivet på,

vil de da i det hele tatt få skatt på den store

andre måter å skatte disse menneskene på. Da gjør man det ikke via skatteseddelen til privatpersonen, selvfølgelig, man gjør det via skatteseddelen i form av skatt på overskudd, skatt på utbytte og vanlige bedriftsbeskatningsmåter. Replikkordskiftet er over. Utslipp av CO2 øker konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren, og forskere fastslår at det fører til

På samme måte som samme forsamling tryller fram over 6 mrd. kr til det de kaller dynamisk skatteeffekt, tryller de bort de menneskeskapte klimaendringene. Denne forsamlingen heter Fremskrittspartiet og har tenkt seg inn i regjering med Høyre, som er en part i klimaforliket. Norge er blant de landene som nå reduserer sine utslipp. Vi bidrar til store utslippsreduksjoner gjennom f.eks. regnskogsatsingen, og vi har gjennom Klimakur lagt det faglige grunnlaget for de veldig store og omfattende endringene vi skal gjennomføre når den nye klimameldingen skal legges fram. Den samlede klimainnsatsen i årets statsbudsjett er, til tross for at vi har mer å gå på, rekordhøy og flere divisjoner over noe Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti noen gang har levert. Da de borgerlige styrte landet, ble Norges utslipp forhandlet opp, nå er de norske utslippene på vei ned. ned. Da er det en dårlig oppfølging å ville senke bensinprisene og fjerne det man kaller særnorske krav til utslippsbegrensninger og bygge ut mer infrastruktur for å brenne gass i Norge uten rensing og på bekostning av fornybar oppvarming. Det er det vi kan forvente av en Høyre–Fremskrittsparti-regjering, og det får utvilsomt mye av kritikken fra For mye av Høyres politikk handler om selvoppfyllende profetier. Da Høyre i regjering kjempet igjennom bygging av Ormen Lange, overså de advarselen om kraftkrisen som ville oppstå i min hjemregion. SV var det eneste partiet som advarte mot situasjonen vi nå er oppe i, og som sa nei. Høyre kjørte på med det resultat at de i dag bruker kraftkrisen de selv skapte, til å argumentere for gasskraftverk i regionen, som igjen vil gi dramatisk økte CO2 -utslipp, og som vil gjøre Høyre helt ute av stand til å oppfylle de klimaforpliktelsene Høyre selv hevder å være så bekymret for. De samme selvoppfyllende profetiene skal nå ramme Nord-Norge, som partiet nærmest omtaler som et u-land i sin kamp for oljeboring. I sitt alternative budsjett økser Høyre ned det meste av næringsutvikling. Jeg undres over hva Høyres representanter i distriktskommunene tenker om Man skal ikke bevege seg så mye utenfor Oslo Vest om man innbiller seg at fjerning av aksjerabatten skaper flere arbeidsplasser enn det norske virkemiddelapparatet. Nord-Norge rammes hardest. Nord-Norge mister 0,5 mrd. kr i tillegg til kraftige kutt i posttjenestene, i reiseliv, i nærbutikker, i antallet kvinnelige gründere, osv. Og slik blir Høyres skremsler i debatten om oljeboring i nord virkelighet. Arbeidsplasser legges ned, en mangfoldig satsing på lokalt næringsliv, reiseliv, fornybarprosjekter o.l. ofres for et monomant fokus på petroleumsvirksomhet. Nord-Norge fratas penger, tar hele risikoen for ulykker, mens pengene havner i Rogaland, der representanten Bent Høie kan drive valgkamp for økt verdiskaping i hjemfylket gjennom utnytting av ressurser i nord. Dette er feil vei å gå. Saken Lofoten og Vesterålen slår alene hull på Høyres miljøpolitikk. Partiets oljepolitiske talspersoner slår skråsikkert fast at ulykker aldri vil skje på norsk sokkel, mens vi er tilfeldigheter unna katastrofer på Gullfaks C. Kritiske spørsmål til oljeselskapene om arbeidernes sikkerhet er erstattet med logring og anklager mot miljøaktivister om kynisk å utnytte ulykken i Mexicogolfen, slik Høyre sist gjorde under oljemessen i Stavanger. Det tjener partiet til liten ære, men er dessverre helt i tråd med den faneflukten fra tidligere ansvarlighet som partiet også oppviser innenfor vern, innenfor strandsonepolitikken, innenfor rovdyrdebatten, osv. En må bare undres over hva tidligere miljøvernminister Børge Brende må tenke. Billige påstander om at SV ikke er opptatt av verdiskaping står seg dårlig fra et parti som i sitt budsjett mener at et ensidig fokus på grunnrente på en ikke-fornybar ressurs, er det eneste Norge skal satse på og utgjør livets fremste mål og mening. Det er verken framtidsrettet, bærekraftig eller i tråd med klimaambisjonene våre og er således i det minste et godt kompass som viser hvilken retning vi ikke skal ta. «Politikk er

Folkehelse heng nært saman med korleis samfunnet er organisert. Eit samfunn med minst mogleg forskjellar gir betre helse i befolkninga. Økonomisk sosial tryggleik er blant dei mest grunnleggjande føresetnadene for god helse og lik fordeling av helse. Men det er ikkje berre kor mange kroner du har i lommeboka som påverkar helsa, men også kor full lommeboka di er samanlikna med andre menneske rundt deg. Enkelte forskarar meiner det er grunnlag for å seia at inntektsforskjellar i eit samfunn gir alle sosiale lag dårlegare helse.

Om denne utviklinga fortset i retning av endå større inntektsgap mellom dei rike og folk flest, vil dette kunna utfordra oppslutninga om velferdsstatens fellesskapsløysingar og ikkje minst finansieringa av desse. Dette står sentralt og representerer i dag den store forskjellen mellom regjeringa sin politikk for betre fordeling, meir fellesskapsløysingar og satsing på det offentlege velferdstilbodet og opposisjonen, som i staden prioriterer skattelette i milliardklassen og satsing på privatisering. For 100 år sidan gav fattigdom og mangelfull hygiene fritt spelerom for infeksjonssjukdomar og epidemiar i Noreg. No døyr dei fleste av ikkje-smittsame sjukdommar, som hjarte- og karsjukdomar og kreft. Dei neste 20 åra er det på mange måtar vårt gode liv som blir det største problemet. Livsstilssjukdomar blir av mange omtala som den nye sjukdomsepidemien i Noreg. Men det positive er at ein stor del av desse kan førebyggjast. Følgjande fire tiltak har stor betydning: redusert bruk av tobakk og alkohol meir fysisk aktivitet betre kosthald betre solingsvanar I dette arbeidet meiner Senterpartiet at vi må våga å ta i bruk sterke og effektfulle strukturelle tiltak. Avgifter på alkohol og tobakk bidreg til høgare priser og redusert forbruk. Det er ein solidarisk politikk og ein politikk for betre folkehelse å auka avgiftene på tobakk, snus og alkohol i neste års budsjett, slik regjeringa foreslår. Vi må gjera dei rette vala enklare. Senterpartiet ventar òg at vi i framtida tek i bruk liknande strukturelle grep på kosthaldsfeltet. Auka pris på usunne matvarer vil kunna vri forbruket i helsemessig gunstig retning. dømes vil ein meir aktiv bruk av sukkeravgifta kunne redusera skadeverknadene av sukker. Redusert meirverdiavgift på sunne matvarer, slik som frukt og grønt, vil kunna gi betre folkehelse og mindre sosiale skilnader. For å sikra eit godt helsetilbod til alle meiner Senterpartiet at vi må ha ei sterk offentleg helseteneste. Frivillige organisasjonar, private verksemder og og skal vera nyttige samarbeidspartnarar og eit supplement. Opposisjonen vektlegg mindre det viktige i å ha eit sterkt offentleg helsevesen. For å sikra det dei kallar god og varig velferd, brukar dei det einaste verkemiddelet dei kjenner til, nemleg det private mirakel. Meir bruk av private løysingar er for dei svaret på alle problem. Opposisjonen er sterk i trua på at auka bruk av konkurranse, og bedriftsøkonomisk styring er det som skal til for å driva helsesektoren framover. Dette er vi grunnleggjande ueinig i. I min heimkommune har kommunen no opna opp for konkurranseutsetjing i heimesjukepleia. Min gamle far fekk tilbod frå ein privat tilbydar. I brevet stod det med lita skrift at dersom han trong hjelp om

Då må ein stola på kommunen, på det offentlege tilbodet, som tek seg av alle – alltid. «Alle skal med.» Det var slagordet til dei raud-grøne i valkampen. Alle skal med. I denne debatten har eg i grunnen høyrt mest om skremselspropagandaen dersom det blå-blå alternativet kjem. Eg har høyrt lite om at alle skal med. Alle skal med, men ikkje dei som slit med å kome i arbeid. Kristeleg Folkeparti skil seg ut i det politiske biletet ved at ein ikkje så enkelt kan plassere oss på høgre–venstre-aksen fordi vi vel ein verdiakse. Me vel å vere på parti med dei som slit mest. I budsjettet som ligg føre, foreslår dei raud-grøne å kutte i arbeidsmarknadstiltaka med 7 000 plassar. i dag er det ca. 76 000 menneske som er på tiltak. Frå nyttår skal me ned i 71 200 i snitt i 2011. Det paradoksale er at det tek 900 dagar frå du blir sjukmeld til du faktisk får tilbod om eit arbeidsretta tiltak. Eg ser finansministeren sit her. Dette er ikkje berre eit tiltak som vil hjelpe enkeltmenneske med endeleg å få kome ut i arbeid, men også eit samfunnsøkonomisk tiltak. 900 dagar må dei i gjennomsnitt vente. I Kristeleg Folkepartis budsjett prioriterer me auka arbeidsmarknadstiltak fordi me veit at det er eit viktig verkemiddel for å hjelpe folk ut i arbeid. Alle skal med, men ikkje dei som vender seg til Nav-kontoret. Det blir kutta 161 mill. kr ute i fylka. Allereie i dag har dei tilsette for lite tid per brukar, saker hopar seg opp, det er restansar. Innsparingar som skal gjelde i det ytste leddet, hos saksbehandlarane, trur eg kjem til å få den konsekvensen at det er enda fleire som slit med å få den hjelpa dei treng, på Nav-kontoret. Alle skal med, men ikkje dei med nedsett funksjonsevne. Prosentdelen menneske med nedsett funksjonsevne som er i arbeid, går ned. Det er færre som får moglegheita til å kome på tiltak, som kan hjelpe dei, gi dei verdfulle erfaringar for å kome ut i arbeidslivet. Akkurat no, ifølgje Nav sin statistikk, er det 59 932 menneske med nedsett funksjonsevne som er på tiltak. Og det er 154 000 som har fått avklart eller fått arbeidsevnevurdering, og som enno ikkje har kome på tiltak – 154 000 som kunne gått ut i tiltak dersom me hadde gitt dei eit tilbod. I vårt budsjett prioriterer me dei menneska med nedsett arbeidsevne fordi dei har ein kapasitet, dei har eit ønske om å kome ut i arbeid, og det er livsviktig. Alle skal med, men ikkje dei aller fattigaste. Eg er kanskje ung, men eg hugsar veldig godt at mange valkamper dreia seg om dei aller fattigaste.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at delen fattige barn i treårsperioden 1999–2001 var 3 pst. Frå 2006–2008 var han auka til 8 pst. – nesten tre gonger så mykje. Barn er verdsmeistrar i å prøve å skjule fattigdom. Dei seier nei, pappa, eg treng ikkje gå på fordi dei veit at pappa og mamma ikkje har råd til å sende dei på fortballtrening. Fattige barn er kanskje noko av det viktigaste me må gjere noko med. Det er freistande å gå inn på uføretrygd og varsla kutt som kanskje kan kome, men eg skal ikkje gjere det, fordi eg skal ta sosialhjelpssatsane. I Kristeleg Folkepartis sitt budsjett aukar me sosialhjelpssatsane med 5 pst. Det som SV sin leiar, Kristin Halvorsen, sa var det viktigaste enkelttiltaket for å gjere noko med fattigdomen, er å få standardiserte, normerte satsar for sosialhjelp for å for å unngå at forskjellane er uverdig store ute i kommunane, eit tiltak som vil hjelpe dei som treng det mest. Men eg skjønar ikkje kvifor regjeringspartia, og særleg SV, vel å stemme det ned. I 2009 fekk me ein ny trend me ikkje bør vere stolte av. Etter 16 år med nedgang i talet på mottakarar av sosialhjelp var det i fjor ein auke på 8 000 mottakarar. Resultatet etter dei raud-grøne er ikkje nødvendigvis så godt som retorikken skal ha det til. Kristeleg Folkeparti vil gi eit skikkeleg lyft for dei menneska som slit med å kome ut i arbeid. Me ønskjer å inkludere fleire menneske med nedsett funksjonsevne, og me har laga eit glimrande budsjett for å hjelpe folk ut av fattigdom. Det er berre så synd at budsjettet blir stemt ned, og at det tek nokre år til før Kristeleg Folkeparti sitt budsjett blir gjennomført.

Vi skal ta godt vare på og utvikle velferden vår. Det forutsetter at vi holder orden i økonomien, løser de store oppgavene i fellesskap og prioriterer utjevning av sosiale forskjeller framfor skattelette. Det legger dette budsjettet godt til rette for. Det å ha et arbeid å gå til er svært viktig for alle mennesker. Arbeidskraften er vår viktigste formue, og investeringer i kunnskap og kompetanse er vesentlig for å utvikle arbeidskraften. De valgene vi gjør i dag, er svært viktig for utviklingen av gode arbeidsplasser i næringsliv og offentlig sektor. Budsjettet for 2011 legger til rette gjennom fornuftig bruk av oljeformuen vår, slik at vi holder kronekurs og renter nede, får økning i næringsrettet forskning og utvikling og midler som gjør det mulig å å utvikle et nyskapende og framtidsrettet næringsliv over hele landet. Jeg synes budsjettet vi skal vedta i dag, er godt. Det viser en retning for utviklingen av landet vårt som sikrer vekst og utjevning av forskjeller. Når jeg ser på budsjettene til de to høyrepartiene, ser jeg en helt annen retning. Fremskrittspartiet går lengst, men Høyre går i samme retning bare med litt mindre skritt. Når begge partiene nå uttrykker vilje til å finne sammen i regjering etter neste stortingsvalg, har jeg stor interesse av å se de to budsjettene i sammenheng. For meg som kommer fra et distriktsfylke, er det kraftig kost. I Nord-Trøndelag er 20 pst. av sysselsettingen knyttet til landbruket. I tillegg til gårdsdrift er det svært mange arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Når Fremskrittspartiet kutter 6,4 mrd. kr i landbruksoppgjøret til neste år, og Høyre kutter med 1,7 mrd. kr, går jeg ut fra at de finner sammen et sted sånn midt imellom. Det ville ha betydd en rasering av landbruket i mitt hjemfylke, og det ville ha ført til nedlegging av svært mange Landbruksoppgjøret er en avtale inngått mellom oss i Stortinget og landbruksnæringen, og et brudd i en inngått avtale må vel også sies å være langt utover anstendighetens grenser. Videre kutter de to høyrepartiene i de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene og 500 mill. kr i innbyggertilskuddet. 90 pst. av de regionale utviklingsmidlene til Nord-Trøndelag fylkeskommune går til næringsrettede tilskudd. Det aller meste går til nyskaping og utvikling i små og mellomstore bedrifter, med stor betydning for verdiskaping og bosetting. Men også store bedrifter som Aker Verdal har fått støtte for å lande sin aller første kontrakt på bygging av understell til offshore vindmøller. Dette er utvikling av ny miljøteknologi som de samme partiene hevder er et satsningsområde for industrien vår. Fremskrittspartiet og Høyre er også motstandere av regionale forskningsfond, som etter Arbeiderpartiets mening er svært viktig for å stimulere offentlig sektor og små og mellomstore bedrifter til satsing på nyskaping og utvikling. Kunnskap og kompetanse er vesentlig for å utvikle hele landet. Kutt i bevilgningene til fylkeskommunene må nødvendigvis gå ut over de videregående skolene, da dette er den største utgiftsposten fylkeskommunene har. 15 mill. kr i kutt i Nord-Trøndelag fylkeskommune ville hatt store konsekvenser, ikke minst for det utviklingsarbeidet som nå foregår i fylket, med tiltak rettet mot hele det 13-årige skoleløpet for å bedre ferdighetene i basisfagene norsk, engelsk og matte samt tiltak for å hindre at unge faller ut av den videregående skolen.

best. Men konsekvensene vil være de samme for store deler av landet vårt og få dramatiske følger for arbeidsplasser og bosetting. Om en i tillegg til kutt i landbruksoppgjøret og kutt i regionale utviklingsmidler og innbyggertilskudd til fylkeskommunene også plusser på tiltak som svekking av skatteutjevningen fra skattesterke til skattesvake kommuner og endring i selskapsskatten fra staten til kommunene, med de utjevningskonsekvensene det får i store deler av landet, frykter jeg for at det kan bli mørkt i mange vinduer rundt omkring i

avgjørende. En god helse for befolkningen sikres ikke først og fremst på sykehusene våre, eller på legekontorene, men den sikres gjennom å utvikle et godt samfunn. Det viktigst er å ha en god skole som satser på kunnskap, som gir barn og unge en mulighet for å lykkes i arbeidslivet. Det viktigste er å skape trygge og gode lokalsamfunn der en har nære sosiale bånd, og der en opplever at en selv kan styre utviklingen av sitt nærmiljø. Og god helse skapes gjennom trygge og varige arbeidsplasser, slik at folk kan gå til jobb og være trygge på at jobben også eksisterer i årene framover. Alt dette legger Høyre vekt på når vi lager et helhetlig

helsekøene økt med over 70 000 pasienter. Nå står det rekordmange 277 000 pasienter i kø i Norge og venter på behandling, og ventetiden øker på de fleste områdene. Hva betyr det? Jo, det betyr f.eks. at en fotograf, Wesenberg, som har fått et dårlig kne, noe som gjør at han ikke lenger kan gå på jobb, går til legen og får beskjed om at han trenger operasjon. Han henvender seg til den private klinikken som det offentlige har avtale med, for å få en operasjon. Han får der beskjed om at nei, vi har gått tom for knær i år. Dette sier den smilende damen bak skranken. Hvis du tar kontakt neste år, har vi fått ny kvote. Og fotografen er bekymret, for hvis han blir sykmeldt, blir han nødt til å permittere to av sine ansatte. Så han lurer på om det finnes andre utveier. Og hun sier ja, det er ikke noe problem å få deg operert, vi har kapasitet. Hvis du vil betale selv – det koster 13 000 kr – kan du få plass til uken. Det er dette helsevesenet en blir møtt med i dag, et helsevesen der en med god økonomi kan kjøpe seg ut av køen, men der en som har dårlig økonomi, er avhengig av å stå på en stadig lengre venteliste. Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett en betydelig satsing på rehabilitering og habilitering, fordi vi i Norge i dag er flinke til å hjelpe folk når blålysene fortsatt er på, men ikke så flinke til å hjelpe folk tilbake i livet når Vi ser også at de aller svakeste i samfunnet vårt, rusmisbrukerne og de som er psykisk syke, ikke får den oppfølgingen som de har behov for over tid. Det er ikke noe problem å sikre at en pasient blir rusfri, men det er utrolig vanskelig å sikre at han forblir rusfri. Og nettopp der ligger behovet for å satse på rehabilitering habilitering. Høyre har lagt inn en klar prioritering om å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, nettopp fordi vi vet at det som er avgjørende for en god eldreomsorg, er flinke, engasjerte og kompetente medarbeidere. Det som vil være den kritiske faktoren om en skal lykkes i at de mange skal slippe å bli sendt fram og tilbake mellom sykehjem og sykehus eller mellom hjemmebaserte tjenester og sykehjem, er at en har god legedekning på sykehjemmene, og at en ikke lenger opererer med 30–40 pst. ufaglærte, men gir alle de engasjerte ufaglærte i helsetjenesten vår mulighet til etterutdanning og videreutdanning. I dette ligger det også en politikk som skaper et samfunn med muligheter for alle, et samfunn med varig velferd, der en har mulighet til å ta vare på og skape en god helse.

Flatanger, i Lenvik og i Askvoll. Og er det én ting de er opptatt av, så er det å sørge for å skape arbeidsplasser. De vet at skal de ha økonomi til å beholde det lokale sykehjemmet og en god skole, må de ha folk i kommunen som gir de overføringene de trenger. Og skal de ha folk, må de ha arbeidsplasser. Og skal de ha arbeidsplasser, må de ha næringsutvikling, jordbruk, fiske og en god kommuneøkonomi. Er det én ting som er effektiv distriktspolitikk, så er det en god kommuneøkonomi. Statistisk sentralbyrå har slått det fast: Det er ingenting som fungerer bedre for å sikre bosetting over hele landet enn å sørge for å ha en god kommuneøkonomi, sånn at kommunene er i stand til å være tilbydere av arbeidsplasser og av gode tjenester til folk, enten det er sykehjem, pleie og omsorg, en god skole eller en god barnehage. Og er det én ting denne

som sørger for at folk som bor i kommunene landet over, får et godt velferdstilbud. Og det er mer enn fem ganger så mange som det ble ansatt i løpet av de fire årene Høyre styrte, godt støttet av Fremskrittspartiet. De som i den tiden ble ansatt rundt omkring, gjør en kjempejobb.

Nergårds fiskefabrikk, som hadde gjort de investeringene i lokale kaianlegg der oppe, som gjør at de er i stand til å sørge for varige arbeidsplasser – ikke mulig hvis en kutter på den måten som høyresiden gjør i budsjettene i dag. Isteden vil vi satse på fortsatt næringsutvikling over hele landet. Og det er faktisk at hvis du skal klare å få til en utvikling, og klare å opprettholde den snuoperasjonen som vi i vår regjering har klart å få til rundt omkring i alle landets kommuner, er en nødt til å sørge for både en god kommuneøkonomi og en god næringspolitikk. Mange, mange steder i landet opplevde man en enorm sentralisering i de årene da høyresiden satt med makten, og den sentraliseringen som alltid skjer når konjunkturene peker oppover. Den utviklingen har snudd i veldig mange kommuner. Jeg treffer stadig oftere folk i kommuner der en har snudd der en har snudd en nedgang på mange, mange hundre de siste årene til en liten oppgang – kanskje ikke med mer enn én, kanskje noen steder med fire nye innbyggere i løpet av et år. Men det er gull verdt for den kommunen som har få innbyggere, og som vet at forskjellen på å nedlegge og begynne å kutte i budsjettene og muligheten til å skape det ekstra lille handlingsrommet til å satse på næringsutvikling er akkurat de fire ekstra menneskene som gir ekstra inntekter til kommunene.

uten velferdspolitiske ordninger som barnehager, fedrekvote og andre tiltak som fikk kvinnene ut i arbeidslivet, finansiert over skatteseddelen. Dette er noen eksempler på det som er noen av ingrediensene i den norske modellen, som også vil smuldre opp med Fremskrittspartiets og Høyres politikk. Finansinnstillingen i år er intet unntak. Høyres og

Fremskrittspartiet kommer sikkert til å protestere på kuttlisten jeg nå presenterte, for det er nemlig slik at Fremskrittspartiet klarer å kutte 5 mrd. kr i trygdeutbetalinger uten at noen skal få én krone mindre i stønad. Det er fordi Fremskrittspartiet mener at deres politikk vil gjøre at færre trenger disse stønadene, altså skal folk som i dag går på trygd, plutselig bli friske i stand til å ta seg en jobb, og de skal ha en jobb som står klar for dem når budsjettet er vedtatt. Vi i denne salen, vi som er politikere, er her fordi vi har en tro på at en bedre verden er mulig. Men det holder ikke å vedta at verden er bedre og annerledes enn det den faktisk er. Man må skape fremgang ved handling. Så når det nå skal spares inn 5 mrd. kr på at folk plutselig ikke er syke, og ikke står utenfor arbeidslivet 1. januar, er dette et budsjett med magiske krefter – et tryllebudsjett. Og jeg undres hvor raskt Fremskrittspartiet tror at denne magien vil virke. Vil disse tusenvis av syke være i jobb fra 1. januar, eller vil Fremskrittspartiet gi dem et par måneder på å komme seg ut av trygden? Dersom disse menneskene ikke har kommet seg i jobb fra 1. januar, hvor vil da Fremskrittspartiet hente disse 5 milliardene fra, siden de allerede er brukt opp andre steder i budsjettet? Vil de da kanskje bli nødt til å kutte i ytelsene til dem som mottar trygd?

er helt i tråd med deres og Høyres retorikk om at det er for mange som har trygd, som ikke skulle hatt det, at det handler om dårlig arbeidsmoral, at det ikke lønner seg å jobbe, og at de som mottar trygd, representerer et såkalt utenforskap, noe som eksisterer utenfor det virkelige samfunnet. Vi har sett strategien før. I Sverige etablerte høyresiden myten om utenforskapet, at det var velferdsordningene som satte folk på utsiden av samfunnet. Slik fikk de solgt inn en logikk om at bare man kuttet i ordningene, ville folk plutselig bli inkludert. Derfor kunne høyresiden i Sverige rasere sykelønnsordningen, kutte i trygdene og sende folk på sosialen. Og resultatet ser vi allerede: Antallet fattige har økt. Jeg vil ta sterkt avstand fra at de som i dag går på ulike trygdeordninger, representerer noe utenforskap. De som går på trygd i Norge i dag, er en del av fellesskapet, og det er nettopp velferdsordningene som gjør at de nettopp er det, når de ikke kan forsørge seg selv i det ordinære arbeidslivet. I land uten sosiale ordninger finner en folk som virkelig faller utenfor – ut i fattigdommen. Vi er stolte av at vi har et velferdssamfunn som tar vare på alle, og ikke overlater folk til seg selv. Det er den fineste verdien i det norske samfunnet, og den står for fall med Høyre og

I mange år har også Fremskrittspartiet tatt til orde for at vi vil ha en stykkprisfinansiering i helsevesenet. Vi ble nærmest hånet. Våre politiske motstandere hevdet at det var å innføre amerikanske tilstander, noe som i deres øyne var nærmest forbundet med den onde selv. Helsesektoren kunne ikke finansieres på en slik måte, ble det sagt, helt fram til at man fant opp begrepet innsatsstyrt finansiering, ISF, som om det skulle være noe helt annet. Vi klarte med Bondevik-regjeringen å få gjennomslag for 60 pst. ISF, og noe merkelig begynte å skje. Helsekøene ble mindre og mindre. Regjeringspartiene har endret på dette. ISF er redusert til 40 pst., og resultatet uteblir ikke. Helsekøene øker for hvert år. Nå er det nærmere 280 000 pasienter som venter på helsehjelp, og køene har aldri vært så lange. En skulle da tro at regjeringen ville ta dette på alvor og sette pasienten i fokus. Men nei, hensynet til systemet er viktigere for regjeringen enn hensynet til enkeltmennesket. Slagordet «alle skal med» betyr tydeligvis at alle skal stå i en eller annen kø.

Denne uttalte politikken bærer nå frukter på flere områder. Private tilbydere, som i en årrekke har vært positive bidragsytere innen rehabilitering, psykiatri, medisin og rus, har alt lagt ned, eller er i ferd med å avvikle. En rekke pasienter blir stående uten tilbud eller de får et dårligere tilbud. Ideologi går foran hensynet til syke mennesker. Innenfor rusfeltet blir dette ekstra ille. Vi ser nedkjørte narkomane som ønsker hjelp til å bli rusfrie. De er motiverte, men blir møtt med at det er lang ventetid.

Stortinget. Det betyr at Fremskrittspartiet må få nødvendig styrke i valget i 2013, slik at vi kan komme i regjering og innføre det selv. I mellomtiden viser vi gjennom vårt alternative budsjett at vi vil gi eldreomsorgen et kraftig løft gjennom en øremerking av 2 mrd. kr til drift. I tillegg vil vi doble investeringstilskuddet til sykehjemsplasser. Vi har lagt inn midler til 3 000 nye sykehjemsplasser i 2011, noe vi altså har fått dokumentert behovet for. Da regjeringen

Men faktum er at siden dette kun er et engangsbeløp, utgjør det i praksis kun 12 kr per innbygger, eller det holder til drift av 70 sykehjemsplasser. Dette er en hån mot gamle, syke og pleietrengende mennesker. Regjeringen lanserte også den såkalte verdighetsgarantien. Ikke forstår jeg at statsministeren og helseministeren kan ha den frekkhet å si at den åttepunkts store verdighetsgarantien er mer detaljert og omfattende enn den sekstenpunkts lange kvalitetsforskriften, som vi har hatt siden 1997. Kvalitetsforskriften har blitt brutt i Kommune-Norge hver dag siden 1997, og da hjelper det lite å si det samme én gang til i en ny forskrift. I min egen hjemkommune, som Arbeiderpartiet har styrt i snart 100 år, har det allerede blitt uttalt fra høyeste hold at kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien fortsatt må settes på vent i året som kommer. Gamle, syke og pleietrengende eldre har ikke tid til å vente. De fortjener et verdig helsetilbud på beste effektive omsorgsnivå, og de fortjener det nå, når behovet er der. I min tid som sykehjemsbestyrer hadde jeg mange ganger problemer med å sove om natten fordi jeg bekymret meg for pasientene. Jeg kan ikke forstå at denne regjeringen kan sove i det hele hele tatt. I dag har vi gjentatte ganger fått malt opp skremmebilder fra de rød-grønne om en Høyre- og Fremskrittsparti-regjering og om hvor ille det skal gå med landet. Det som har vært gjennomgående i disse beskrivelsene, er faren for mer privatisering skattelette. Selv med skattelette til folk flest og bedrifter er visst dette et skremmebilde som man tror bærer igjennom. Nei, dette er feil. Høyre bygger velferd. Velferd bygges nemlig også av private og av næringsaktører. Velferd er ikke bare staten. Velferd dreier seg om å sette bedrifter i stand til å drive en sunn og god virksomhet, og det dreier seg om å gi befolkningen mulighet til å treffe egne valg. Da regjeringen Høyre satt i, overtok, var det i en situasjon med høy kronekurs og høyt rentenivå, som ga store problemer for eksportnæringen. Økonomien var Vi var nødt til å foreta en ryddesjau. Offentlige utgifter måtte ned, og deretter kom det stimuleringstiltak og modernisering. Det skremmebildet som man brukte i denne sal fra denne perioden, hva var det? Jo, det var skattelette, bl.a., nettopp for å stimulere. Hele investeringsavgiften ble fjernet for bedriftene, som bidro til en stor vitalisering innenfor næringslivet. Vi brukte mye penger på å gi bedre vilkår for dem som tjener aller minst, nemlig minstefradraget, og vi satte ressurser inn for at de midlere inntektsgruppene ikke skulle ha toppskatt. I tillegg fjernet vi boligbeskatningen. Dette er det som blir en del av skremmebildet til de rød-grønne i dag, for det er nemlig akkurat det samme – med veldig små variasjoner – vi gjør i budsjettet for neste år. Så når Martin Kolberg står her og legger ut om de skadelige skattelettene, kan han ikke ha satt seg inn i hva som ligger i disse skattelettene som Høyre har lagt inn. Det er nemlig minstefradraget, det er nemlig

på fem år. Denne høsten har vi faktisk ikke fått én eneste sak fra Samferdselsdepartementet, bortsett fra budsjettet. Vi har hatt to andre saker til behandling, men de ble fremmet i juni. Vi har holdt oss selv sysselsatt med Dokument 8-forslag. Resten av samfunnet fornyer seg hele tiden. Innenfor samferdselssektoren er det helt Høyre vil gjøre noe med dette. Vi prioriterer fornyelse innenfor samferdsel. Vi har lagt fram en transportplan med 23 tiltak, som alle går på fornyelse og modernisering. I statsbudsjettet for neste år bevilger vi en milliard ekstra til veg. Vi hovedprioriterer trafikksikre veger, både Vi lanserer fem store prosjekt, som har ventet altfor lenge på klarsignal fra denne regjeringen, som OPS-prosjekt. Vi etablerer et fond på 50 mrd. kr som skal gå til vedlikehold og ta igjen det etterslepet som har bygd seg opp over mange år. Det vil gi en årlig avkastning uavhengig av statsbudsjettene. Vi lanserer to nye belønningsordninger: én for intermodale løsninger på knutepunkt og én for sykkeltiltak i byene – en rekke tiltak for å modernisere en sektor som skriker etter fornyelse. Ja, utålmodigheten er så stor at den går langt inn i regjeringspartiene! Jeg refererer her til Sandman og Opseth og – tidligere – finansminister

De har løsningen på nær sagt enhver samfunnsutfordring, bare de først får tømt felleskassa for mange titalls milliarder. For en dynamikk! Og de tror, eller de framstiller det i hvert fall slik, at tjenestene nærmest blir gratis bare de blir utført av private. De roper på mer konkurranse, mer anbud, men de vil ikke ta konsekvensen av konkurransen at det faktisk hører med til logikken at noen da taper. Jeg har aldri hatt det å få mest mulig ut på anbud som en politisk fanesak – det kan jeg love. Men jeg innser at anbud i mange tilfeller er nødvendig, i hvert fall når kommersielle aktører – tidvis med tydelig profittmotiv – skal konkurrere om jobbene. Jeg har ingen problemer med å innrømme, sjøl om jeg er en del av flertallskonstellasjonen her i salen, at jeg tidvis kan undres ja, til og med bli litt bekymret – over utfallet av anbudskonkurranser. Og jeg føler særlig med ideelle aktører, med åpenbar god kvalitet, som taper. Det er ganske nytt for helsesektoren å drive med anbud. Da nekter i hvert fall jeg å tro at det ikke fortsatt er en form for forbedringspotensial, og at det til og med kan skje feilvurderinger. I så fall er det viktig å korrigere raskt, slik at nødvendige pasienttilbud ikke skades. Dette kan jeg ikke få understreket sterkt nok. Den politiske bestillingen kan vanskelig evne å ramme inn absolutt alle detaljer. Derfor må helseforetakene være seg sitt sørge for-ansvar veldig bevisst, i særdeleshet når det gjelder øyeblikkelig hjelp og rettighetspasienter. Vi må – og vil – se nærmere på hvordan vi får best mulige anbudsprosesser framover, der de politiske føringer blir godt ivaretatt. Det er en form for idéfellesskap mellom frivilligheten og arbeiderbevegelsen. Vi vet at vi er sterke sammen, og vi er mer opptatt av fellesskap enn av profitt. Vi har gjennom denne finansinnstillingen presentert en verdighetspakke på 53 mill. kr ekstra,

kunnskap om sykdommen, både for å takle utfordringer og bedre kunne være en ressurs. Neste år mangedobler vi innsatsen når det gjelder pårørendeskoler og samtalegrupper, som er veldig kjærkomne tilbud rundt omkring i landet vårt. Nå skal det bli mange flere. Verdighetspakken handler også om mer penger til økt kompetanse om demens hos de ansatte i pleie- og omsorgssektoren. omsorgssektoren. Det blir mer penger til forskning og utvikling på et felt hvor vi trenger mer kunnskap, og ikke minst, etter hvert som vi lærer, blir gode på å spre kunnskapen. Kirkens Bymisjon får mer penger til veldig interessante prosjekter overfor demente. Nesten 30 av de 53 millionene i verdighetspakken går til tiltak og prosjekter knyttet til demente og deres pårørende. Samtidig sørger vi for at hørselshjelpsordningen blir landsdekkende. Røde Kors får mer statlig støtte til sin besøkstjeneste, og prosjektet Livsglede for Eldre får mulighet til å utvide sin innsats. De har mye å lære bort, og, livskvalitet kjenner ingen aldersgrense. Verdighet handler om mye, ikke minst om hvordan mennesker opplever livets siste fase. Mange kommuner vil neste år få statlige tilskudd til ulike tiltak for lindrende behandling og omsorg. Også Verdighetssenteret i Bergen får et betydelig påslag. Kampen om samfunnsretningen står hele tida, gjennom de små skritt og de valg vi tar hver dag. Skattekutt betyr velferdskutt. Derfor sier vi i Arbeiderpartiet, sammen med våre regjeringskamerater, høylytt nei til skattelette for dem som ikke trenger det. Vi trenger hver krone, og nye og flere milliarder framover for å løse dagens og framtidens behov for gode velferdstjenester, ikke minst innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er både smart og moderne, og gir fornyelse, verdighet og rettferdighet.

som man har gjort i tiår. Fremskrittspartiet har en annen innfallsvinkel. Vi ønsker å fornye og gjøre landet mer effektivt, og få mer av de midlene som allerede er bevilget, til å gi mer utbytte. Derfor er det trist å registrere at finansministeren overhodet ikke er villig til å se og tenke nye tanker i forhold til økonomi. Det gjorde tross alt finansministeren da han var fylkesmann, men det er tydelig at det skjer et eller annet når man inntar lokalene i Finansdepartementet. Når det er helt umulig å ha fokus på kost-nytte-prinsippet, når det er helt umulig å tenke synergier eller dynamiske effekter, når det er helt umulig å tenke positive provenyer, når det er helt umulig å skille mellom investering og drift, og når det er helt umulig å tenke på forutsigbar budsjettering og langtidsbudsjettering, da er det altså ingen vilje til fornyelse og nytenkning i denne regjeringen i det hele tatt. Jeg registrerer at handlingsregelen er nærmest hellig – at det er handlingsregelen som holder dette landet i gang, og har holdt landet i gang. Ja, da var det mye uansvarlig økonomi i dette landet under Brundtland-regjeringen, før handlingsregelen ble vedtatt. Fremskrittspartiet har en annen innfallsvinkel på det området. Jeg er helt sikker på at på et eller annet tidspunkt vil det også sige inn hos andre som driver med politikk, men jeg tror at vi på veien har sløst bort så mange milliarder og bygd opp en så svær offentlig sektor at det blir dramatisk å foreta nye endringer. Det handler om disse såkalte 88 milliardene til Fremskrittspartiet. Jeg må få lov til å si at det skremmer meg ikke i det hele tatt, når man sender et spørsmål til Finansdepartementet om hvor mye disse kuttene til Fremskrittspartiet på skatter og avgifter vil utgjøre. Det er ikke noe vi skal gjøre på ett år, men 88 mrd. kr på over fire år – hvis dette tallet er riktig – skremmer meg overhodet ikke, i hvert fall ikke når jeg ser på de langsiktige planene til denne regjeringen, som skal bygge lyntog til mellom 300 og 500 mrd. kr, som sier nei til 50 mrd. kr til Heidrun-feltet, og som aksepterer en elendig infrastruktur som koster det norske næringsliv og offentlig sektor kanskje 100 mrd. kr i året. Når offentlig forvaltning vokser med 430 kommuner, 19 fylkeskommuner, 19 fylkesmenn, departementer, direktorater, tilsyn, underutvalg og underetater overalt, uten evne og overalt, uten evne og vilje til å tenke effektivisering, så er ikke jeg redd for at Fremskrittspartiet skal kutte 88 mrd. kr i skatter og avgifter på fire år. Det skal vi lett hente inn ved å tenke nytt, modernisere dette landet og gjøre det mer effektivt. Det er altså så enkelt som statsministeren selv sa det. Statsministeren sa at den norske samfunnsmodellen var basert på at i hvert fall denne regjeringen hadde satset. På tross av at den hadde satset, hadde skatter og avgifter økt – og det nekter man når andre partier tenker i de samme baner. Dynamiske effekter av 88 mrd. kr i skatte- og avgiftslettelser – hvis jeg er litt tilbakeholden og litt forsiktig, og det er jo vi trøndere – tror jeg at vi sannsynligvis vil få tilbake minst 30 mrd. kr av kr. Da står vi igjen med 58 mrd. kr, som igjen vil gi synergier utover de fire første årene. Prøv å tenke lenger enn fire år – man må tenke ti år, man må tenke 15 år, og man må tenke 20 år. For å betegne denne regjeringen og hva den holder på med, leste jeg i VG i dag: «Asfalt av gull?» I Fetsund har man bygd en 350 m lang gangvei til 70 mill. kr. Den skulle ha kostet bare 30 mill. kr! Det er det systemet denne regjeringen står bak, og den nekter å akseptere at den sløser med milliardene. Man drar inn titalls milliarder i skatter og avgifter – 910 mrd. kr i 2011 – og så strør man dem rundt uten i det hele tatt å tenke Men når andre partier tar opp det, er det selvfølgelig et skremmeskudd for denne regjeringen, for det betyr en annen kurs, og det betyr mindre makt. Det er noen som har sittet og styrt dette landet altfor lenge.

i de største byene, mens de offentlige distriktsskolene ville bli tappet for inntekter og elever. Som finnmarking opplever jeg ikke noen stor interesse fra private aktører som vil etablere seg innen verken skole eller omsorg, fordi de logisk nok vil etablere seg der det er mest folk og størst marked. I Danmark har antallet private sykehus økt fra 43 til 221 under borgerlig styre. Dersom vi skulle få den samme utviklingen i Norge, ville det ramme helsevesenet og eldreomsorgen i Distrikts-Norge hardt. Der er det allerede utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell. Flere private tilbud gir ikke flere leger og sykepleiere, men det gir Det vil skape store forskjeller i velferdstilbudet i landet vårt. Vi lever i verdens beste land, og regjering og storting har klare mål for å styrke velferdsutviklingen i Norge. Det betyr at det legges nasjonale føringer for kommunal politikk, som krever politisk prioritering. Det er nå tid for et stort løft for tilbudet til de eldre. Svært mye av eldreomsorgen som ytes i kommunene, er av god og høy kvalitet. Mye er bra, men vi mangler plasser, både på sykehjem og i omsorgsboliger, med et heldøgns omsorgstilbud. Arbeiderpartiet har som mål at det skal være full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015.

med at tilskuddet til en sykehjemsplass øker fra i overkant av 660 000 kr til om lag 890 000 kr. Tilsvarende øker tilskuddet til en omsorgsbolig fra i overkant av 440 000 kr til om lag 670 000 kr. Staten tar en større del av regningen ved utbygging av flere

gjennom en økning i frie midler og øremerkede tilskudd. I tillegg styrkes de frie midlene for inneværende år med 1 mrd. kr. Det betyr mer penger direkte til kommunene. Oslo får 105,5 mill. kr, Bergen får 50,2 mill. kr, Trondheim får 31,2 mill. kr, Stavanger får 22,5 mill. kr, og Tromsø får 11,9 Økningen på tilskuddssatsene og den ekstra milliarden kom som et resultat av tilbakemeldinger nettopp på dette feltet fra lokalpolitikere ute i kommunene. Regjeringen lyttet til landets kommunepolitikere og deres organisasjon KS, og handlet raskt. Kommunesektoren er landets velferdsmotor som holder Velferds-Norge i gang. Kommunepolitikerne gjør en uvurderlig jobb rundt omkring i landet. Masse er bra i Kommune-Norge. Mye kan sikkert gjøres enda bedre, men jeg vil fra denne talerstolen få lov til, på vegne av Arbeiderpartiet, å få takke for den innsatsen som legges ned hver dag i kommunen av ansatte og politikere. I fellesskap skal storting, regjering og norske kommuner forbedre og forsterke velferdssamfunnet. Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ble før og under valgkampen omtalt som Med statsbudsjettet for 2011 er to av fire år i handlingsprogrammet på plass. Av riksveiinvesteringene er knappe 45 pst. på plass, togrevolusjonen i 2012 er utsatt, og mange viktige veiprosjekter er også utsatt. Det forsterker grunnlaget for å kalle plan og oppfølging for tidenes største samferdselsbløff. I den grad vi finner et veiløft, er det fortsatt bilistene som står for det gjennom finansiering med bompenger. Hittil i denne perioden, altså høsten 2009 og nå i 2010, er det en investeringsramme for bompengeprosjekter på 12 mrd. kr. Det gir en kostnadsramme for bilistene på nesten 11 mrd. kr. i tillegg til det som betales i vanlige skatter og avgifter knyttet til bil. Transportplanen regjeringen har laget følger – dekker ikke på noen måte behovet for et moderne, sikkert og energieffektivt transportnett i Norge. Behovet er enormt mye større enn planrammen. Med Arbeiderpartiets retorikk må det innebære at brukerne med sitt behov for modernisering av vei og jernbane befinner seg på en annen planet enn regjeringen, for med regjeringens prioritering, temporisering og finansiering vil det ta mellom 50 og 70 år å fornye transportnettet i Norge. Fremskrittspartiet mener det er uforsvarlig politikk. I Fremskrittspartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2011 følger Fremskrittspartiet opp sitt eget forslag til Nasjonal transportplan. Vi foreslår omfattende investeringer finansiert med kjent verktøy. Verktøyet er statlige selskaper, statlige lån, prosjektfinansiering, flerårige budsjetter, samlet utbygging av store prosjekter, fondsoppbygging og fondsavkastning brukt på vei og jernbane. Ikke verktøy fra en annen planet, men verktøy kjent og brukt faktisk i Norge – og verktøy kjent og brukt i andre land. Fremskrittspartiet vil modernisere veier og jernbane på 25 år, ikke på 70 år. Vi vil finansiere med statlige midler – ikke med ekstraskatter. Jeg har registrert at statsminister Stoltenberg på bakgrunn av Fremskrittspartiets alternative budsjett kaller oss et uansvarlig og useriøst parti. Jeg har også registrert at Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann mener at Fremskrittspartiets budsjettforslag er så useriøst at det ligner mest på den økonomiske politikken i «en del lugubre regimer i Afrika». er at Fremskrittspartiet vil satse 580 mrd. kr på modernisering av vei og jernbane i Norge de neste ti årene. Sannheten er at Fremskrittspartiet følger egen plan og viser sammenheng og oppfølging av egen politikk. Andre partier følger ikke egne planer. Velgerne får avgjøre om det er useriøst eller lugubert når Fremskrittspartiet mener at oljerike Norge skal investere i vei og jernbane. Sannheten er jo også den at alle de andre partiene vil bruke mellom 300 og 500 mrd. kr på å bygge lyntog i Norge. Fremskrittspartiet vil bruke pengene på å modernisere veinettet og dagens jernbane. Fremskrittspartiet foreslår i sitt alternative budsjettforslag å investere 21 mrd. kr mer enn regjeringen i riksveinettet. Arbeiderpartiet må gjerne kalle det uansvarlig. Fremskrittspartiet foreslår å bruke 1,2 mrd. kr mer enn regjeringen til rassikring. Arbeiderpartiet må gjerne kalle det uansvarlig. Fremskrittspartiet foreslår å bruke ca. 7 mrd. kr på opprustning av fylkesveiene mer enn det regjeringen har foreslått. Arbeiderpartiet må gjerne kalle det uansvarlig. Fremskrittspartiet foreslår å bruke 1 mrd. mer enn regjeringen til trafikksikringstiltak i fylkene. Arbeiderpartiet må gjerne kalle det uansvarlig. Vi tror at for folk flest virker Arbeiderpartiets fokus på å holde igjen i stedet for å åpne opp for investering i vei og jernbane uforståelig og uansvarlig – i et av verdens rikeste land, med et oljefond på 3 000 mrd. kr. Fremskrittspartiet bruker pengene slik at det bidrar til å øke økonomiens vekstevne gjennom å gjøre den mer konkurransedyktig. Fremskrittspartiet vil investere, ikke spekulere. Fremskrittspartiet vil investere i moderne veier og jernbane og viser det gjennom budsjettforslaget for 2011. Eg reiser mykje rundt i landet. Eg treffer mange folk som på ulike vis er involverte i den satsinga som no skjer på samferdsel. Prosjekt som lokalbefolkninga har

ein opna ein parsell med gang- og sykkelveg. Det var ein eldre mann som sa til meg: Eg skriv dagbok. I dag kjem eg til å skriva: Dette er den største dagen i mitt liv. Eg har venta lenge på denne gang- og sykkelvegen. Tidlegare denne veka møtte det fram nærmare tusen folk i Østfold,

eit samarbeidsprosjekt som gjer at Statens vegvesen og Jernbaneverket sparer 400 mill. kr på å samarbeida. Kolomoen–Lillehammer: siste planperiode, tre- og firefeltsveg Øyer–Tretten starta i 2010, skal stå ferdig i 2013, då har vi altså bevega oss opp i Gudbrandsdalen – 13 km trafikkfarleg veg og låg gjennomsnittshastigheit, anslag kostnad 4 mrd. kr. Kostnadene veks. Reguleringsplanen er snart ferdig. Trondheimsvegen frå Oppdal til Støren: Arbeidet med ny veg gjennom Oppdal sentrum startar i 2011, eit prosjekt til fleire milliardar kroner. Trondheimspakken, fem større investeringsprosjekt – eit av desse, Dette vil flytta trafikken bort frå nokre av dei mest belasta strekningane i Trondheim. Starta i 2009, blir ferdigstilt i 2013/14. På denne strekninga er vi i gang med å investera fleire titals milliardar. Reisetida blir redusert med ca. 30 minutt, og næringslivet sparer betydelege transportkostnader. Dette er ein av korridorane, og alle som følgjer med, veit at eg kunne nemnt mange andre eksempel. Vi bind landet betre saman. Vi gjer det meir tilgjengeleg og meir miljøvennleg. Samferdselssatsinga er ikkje noko vi skal gjennomføra i morgon eller om nokre år, vi gjer det Budsjettet er auka med 50 pst. frå 2005. Statens vegvesen omset for 14 mrd. kr meir i 2010 enn i 2005. Jernbaneverket omset for 4 mrd. kr meir i 2010 enn i 2005 – til saman

Vi er ikkje fornøgde. Vi er heller ikkje i mål. Vi er svært utolmodige etter å koma vidare. Standarden er framleis for dårleg. Det er noko alle veit – desto meir grunn til å vera fornøgd med nye 2,8 mrd. kr til samferdsel i 2011. Det gjev rom for å starta kanskje så mykje som 20 nye vegprosjekt, av dei seks rassikringsprosjekt – alle prosjekt det har vorte arbeidt med i mange år.

på investeringssida. Det har vi følgt opp. Vi tok eit godt tak i fjor i budsjettet, og vi har skrive korleis vi no vil ordna dette med løyving i 2011, i 2012 og i 2013. I tillegg har vi overoppfylt det som heiter vedlikehald og drift, der det gøymer seg veldig mange viktige prosjekt bak, både vedlikehald, drift og mindre utbetringar, og ikkje minst handlar det om trafikktryggleik. Statsråden sa i sitt innlegg at hun er Statsråden sa i sitt innlegg at hun er glad for at vi har en nasjonal transportplan. Det er vi i Høyre også. Vi hadde vært enda gladere om den hadde vært fulgt opp. Det jeg særlig tenker på da, er trafikksikkerhet. Jeg lurer litt på hvorfor det er satt av penger til kun 22 km – så vidt jeg husker – med midtdeler. Det viser seg jo at fra 2000 til 2010 har 050 mennesker dødd i kollisjoner på grunn av mangel på midtdeler. Det er mange menneskeliv. En annen ting er standard på veiene. Statistikk sier nå at det er veldig ofte standarden på veien som fører til ulykkene, og det må vi ha fokus på. I et trafikksikkerhetsseminar i går

med det budsjettet som er lagt fram, viser vilje til å følgje opp rammene i Nasjonal transportplan for denne perioden. Det synest eg er veldig bra. Men det kom òg ein annan beskjed med dette statsbudsjettet, og det var at den togrevolusjonen som skulle kome i 2012, blei utsett. Og ikkje berre blei han utsett, det blei ikkje sagt kor lenge han ville bli utsett. No herskar det full forvirring. Vil vi nå desse planane i 2013, i 2014? Eller må vi vente til 2015, eller 2016? Og ikkje veit vi kva som må til for å kunne levere det som vi har lovt togpendlarane i austlandsområdet. Så mitt spørsmål er: Kva tid vil togrevolusjonen som dei raud-grøne har lovt, vere på plass? I staden for innføring av ny ruteplan i 2012 er det i budsjettet varsla ei gradvis innføring. Det betyr ei gradvis forbetring. Det er slik at folk vil merka ei forbetring allereie i 2011. i 2011. Ikkje minst skjer det no kvar dag arbeid både når det gjeld vedlikehald og fornying i Oslotunnelen og området rundt, i Oslo-prosjektet. I tillegg er det veldig mykje vedlikehald og fornyingsarbeid som går føre seg. Mykje av det vart det jo avdekt at det var behov for i løpet av vinteren. Så har NSB bestilt nye Det betyr at dei gradvis vil koma inn i bruk frå hausten av. Det vil bli opna nye strekningar, altså i sum ei forbetring. Når vil ein ha ein fullstendig ny ruteplan? Vi har sagt at vi kjem tilbake med ei tidfesting av det seinast i budsjettet for 2012. Til et helt annet tema: Det er

For begge de sektorene har vi selvstendige tilsyn som er separert og helt på siden av eksisterende etater og også operatører. Likevel velger regjeringen en løsning hvor etaten selv, Statens vegvesen, skal være sitt eget tilsyn, og, som jeg startet med å si, stikk i strid med den innstillingen fra det utvalget som regjeringen selv har satt ned, og som var ledet av en tidligere stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva er grunnen til at regjeringen vil gi veibrukerne dårligere sikkerhet? Det er jo ikkje slik at det ikkje er tilsyn med vegane våre i dag. Både på riksvegane og på fylkesvegane er f.eks. Statens vegvesen eller andre ute og sørgjer for tryggleik. Skjer det ei ulykke, er f.eks. Statens vegvesen eller andre ute og sørgjer for tryggleik. Skjer det ei ulykke, er det slik at både Havarikommisjonen, Statens vegvesen og politiet er på pletten straks. Det som er den store avveginga i høve til eit uavhengig tilsyn eller ikkje, er for det fyrste at det var eit fleirtal og eit mindretal i dette utvalet. Rådet var altså ikkje så klart som som Sortevik seier her. For det andre la fleirtalet til grunn at det var snakk om å oppretta eit tilsyn som ville bety 50–100 mill. kr. Då fekk eg i regjeringa i staden støtte for ei omorganisering innan Statens vegvesen, for ei eining som ligg direkte under

De rød-grønne har i løpet av denne debatten konstruert et fiendebilde av hvilke ulykker som kommer til å vederfares landet ved et regjeringsskifte kanskje tre år frem i tid. Finanskomiteens leder brukte mesteparten av sitt innlegg i formiddag til å snakke om hva som kunne skje i 2013. Det blir mer og mer forståelig at man får lite energi til å holde på med egen politikk når man bruker For å mane frem dette skremmebildet leser man utvalgte kapitler i Høyres alternative budsjett, særlig skattekapitlet. Hvis vi skal opprettholde velferdssamfunnet og bygge det videre, trenger vi arbeidsplasser. Vi trenger noen som investerer i arbeidsplassene, og vi trenger å stimulere dem. Jeg synes finansministerens bilde i dag tidlig var godt. «Det er arbeid som bærer velferden på ryggen», sa han. Det er et godt bilde. Men når vi hører f.eks. representanten Heikki Holmås snakke her, høres det ut som om arbeidsplasser blir vedtatt ute i kommunene, i hvert fall i de kommunene som han besøker. Men det er jo ikke slik. Det er jo sånn at vi må ha noen som investerer. For å få råd og for å kunne finansiere de offentlige arbeidsplassene som skal produsere velferden,

formuesskatten for å stimulere både sparing og investering i arbeidsplasser. Jeg er glad for at Senterpartiet i en replikkveksling tidligere i dag nå synes å være enig i dette, i hvert fall et stykke på vei. Det er å ta velferdsproblematikken på ryggen, for det er nødvendig hvis vi skal kunne hjelpe rusmiddelmisbrukere, øke innsatsen i barnevernet, redusere helsekøer, øke all annen sosial innsats og ikke minst avhjelpe fattigdom. Til dette trengs at vi stimulerer til investeringer. Når det gjelder fattigdom – to linjer om det: Situasjonen er jo nå slik at fattigdommen øker. Resultatet av arbeidet har vært nedslående. Det må være vanskelig for de partiene som var opptatt av dette, å se de fattige i øynene samtidig som de kjemper av alle krefter her i Stortinget mot alt som smaker av investeringer i arbeidsplasser for å stimulere til å lage nettopp de arbeidsplassene som skal bære den fremtidige velferden. Jeg leste akkurat oppe på plassen min finanskomiteens innstilling til arbeids- og sosialbudsjettet, hvor Høyre, tror jeg etter hukommelsen, prioriterer å øke med rundt 200 mill. kr, mens de fattiges organisasjoner avspises med et par linjer og et par millioner fra de Så litt om landbruket som mange har vært opptatt av her i dag, at norsk landbruks fremtid er truet ved et eventuelt regjeringsskifte. Men næringen selv er ikke så bekymret for et regjeringsskifte i 2013. De er bekymret nå, for det er nå situasjonen er vanskelig. Jeg er helt enig med representanten Lundteigen som i en debatt forleden sa at man ikke vet hvor man er i norsk landbrukspolitikk. landbrukspolitikk. Det er helt riktig. Da kan man heller ikke vite hvor man kommer hen. Dette møter vi på mange vis, særlig i forbindelse med investeringer. Vi har en betydelig investeringspakke i vårt alternativ på 500 mill. kr, ekstra avskrivninger, investeringspakke, skattelettelser. Det ville vært 5 mrd. kr over ti år. Tar man med formuesskatten på landbrukseiendommer, som er 1,3 mrd. kr i året,

økning i satsing på miljøteknologi og innovasjon, slik at vi kan være i første rekke på de nye områdene. Derfor øker vi også innsatsen til forskning nok en gang, et område som synes å være et evig stebarn for denne regjeringen. For oss er det ikke bare velferden i dag og i morgen; det er fremtidens velferd vi snakker om. Vi må gjøre det lettere å starte, drive og investere i bedrifter i Norge. Vi må beholde privatkapitalen, og vi må tiltrekke oss ny privatkapital for å gjøre det som finansministeren sa i dag morges: bære velferden på ryggen. Det er

Norge er et land av få unntak hvor arbeidsledigheten er lav og sysselsettingen høy. Vi har god produktivitet, og vi har god lønnsomhet. Det er attraktivt å drive forretning i Norge. Høyresidens forsøk på å forkaste dette faktum i denne debatten faller for sin egen urimelighet. Andelen sysselsatte har økt fra 75 pst. til 76,5

Høy velferdsproduksjon, et godt sikkerhetsnett og et likestillingsperspektiv som sikrer høy kvinnedeltakelse i arbeidslivet, er så utvilsomt det beste grunnlaget for høy og stabil verdiskaping, som igjen sikrer høy sysselsetting og lav ledighet. Vi er med andre ord i en unik posisjon. I sum er dette forankret i den norske modellen med gjensidige rettigheter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Gir man sin tilslutning til den norske modellen, må man ha forståelse for sammenhengene. Skal man gi næringslivet bedre rammer, må ikke det gå på bekostning av arbeidstakerrettigheter eller velferdsordninger. Det er dette høyresiden har misforstått. Høyresiden snakker ikke så ofte om sin kjærlighet og tro på at suksessen i næringspolitikken starter med midlertidige ansettelser, lokale lønnsfastsettelser eller lokale reguleringer av overtidsbestemmelsene lenger. Det er derfor verdt å minne om at dette uansett er en grunnleggende ideologisk tanke som er forankret i høyrepartienes hjerter. Vi vet at høyrepartiene vil angripe arbeidstakere for å tekke arbeidsgivere. Skattelette til de rikeste, endringer i sykelønnen og privatisering av velferdsoppgaver og skolevesen forsterker selvfølgelig dette. Gode reguleringer av arbeidslivet, trygge og gode ordninger i samfunnet og en velbygd velferdsmodell er selvfølgelig motsatsen og viktige grunnlag for å sikre den norske modellen, sikre en viktig bærebjelke for forutsigbarhet og grunnlaget for verdiskaping. Erna Solberg sa i dagens debatt at vi ikke har perspektiv på hva vi skal leve av i framtiden. Den beste beskrivelsen av et slikt utsagn er skivebom. Det kan ikke være noe bedre grunnlag for framtidig verdiskaping enn å sikre at flest mulig har arbeid. Det er god pleie av nasjonalformuen. En av de viktigste forutsetningene for å tiltrekke seg investeringer er å satse slik vi gjør på forskning, nyskaping og kunnskap innenfor rammene av en stabil og forutsigbar økonomisk politikk. Høyre og Fremskrittspartiet glir stadig nærmere hverandre, kan vi lese og registrere. Ja, Høyres finanspolitiske talsperson fastslår dette. Da er det grunn til å stille spørsmålet: Har Høyre glemt næringslivet i kjærligheten til Fremskrittspartiet? Det kan jo ikke være noe som er mer næringsfiendtlig enn at Høyre også nå velger å legitimere et budsjettforslag som utvilsomt vil ramme Økningen i bruken av oljepenger på 12,2 mrd. kr, som Fremskrittspartiet forslår, er så definitivt ikke innenfor rammen av økonomisk ansvarlig politikk. Økt rente og økt kronekurs er overveiende sannsynlig. De som bidrar til å legitimere dette, kan umulig tillate seg å bruke ordet «næringsvennlig» om seg selv. Det er motsatsen til Høyre og Fremskrittspartiets politikk som danner det faktiske grunnlaget for at næringslivet har særdeles gode muligheter i dette landet. Når opposisjonen i dag uttrykker sin vrede over vår hyllest til den rød-grønne regjeringen, tror jeg det er klokt å stoppe opp og se ut av vinduet og erkjenne den situasjonen landet faktisk befinner seg i. Det må være lov å si at når man ser seg om i verden med begge beina plantet på norsk jord, må man kanskje være innelåst på et stortingskontor for ikke å skjønne at situasjonen gir grunnlag for en viss grad av entusiasme og framtidstro.

mener. Fremskrittspartiet er av den oppfatning at noe av det viktigste i utenrikspolitikken er forpliktende internasjonalt samarbeid som tar sikte på internasjonal avspenning, varig fred og økonomisk vekst gjennom handel og investeringer. Fremskrittspartiet kritiseres til det kjedsommelige for at vi kutter i bistandsbudsjettet. Ja, og vet dere hvorfor vi kutter i bistandsbudsjettet? Jo, det skal jeg fortelle Vi har i motsetning til mange av de andre partiene her på Stortinget troen på mennesket. Vi ønsker ikke å gjøre dem til ofre. Vi ønsker heller ikke å gjøre dem hjelpeløst ute av stand til å ta vare på seg selv. Vi har som sagt troen på individet, og hvis vi gir enkeltmennesket mulighet til vekst og fremgang, ja så tror vi at de aller fleste tar imot. Bistand som Norge gjennom budsjettstøtte, som den enkelte innbygger i enkelte land ikke har noen glede av, men som går rett i lommene på makthaverne og deres venner, vil ikke vi være med og bidra til – noe som i utgangspunktet forteller oss at her må Norge stille svært strenge krav til bistand. I tiår etter tiår har vi enten gjennom bilaterale avtaler eller gjennom bistandsorganisasjoner gitt bistand til land som fremdeles i dag står på stedet Jo, levealderen er blitt høyere i en del av disse landene. Hva hjelper det når man fremdeles ikke har livskvalitet og verdighet? Det er her Fremskrittspartiets politikk skiller seg fra resten. Vi ønsker en endring fra det som ikke virker, til det som faktisk kan gi mennesker i utviklingsland en mulighet til å forbedre livene sine og forbedre livskvaliteten sin. Hvordan gjør vi det da? Jo, vi bruker virkemidler og verktøy som med enkle grep faktisk umiddelbart kan gjøre en forskjell – bl.a. ved å bygge ned toll og handelsbarrierer, ved sletting av illegitim statsgjeld, ved å sikre at alle har mulighet til å eie jord, og gjennom å prioritere helse og utdanning. Vi har troen på frie, åpne markeder, og vi har også troen på at det gir dynamiske effekter som kan løfte milliarder ut av fattigdom. Se til Kina. Så ønsker vi, i stedet for ukritisk å pøse penger inn til makthaverne, å fjerne toll på varer fra alle utviklingsland. Vi ønsker også, og det er nytt av året, å opprette et fond, eller en handelsfasilitet, som det heter i budsjettet, for å bidra til å stimulere til utvikling av næringsliv, innovasjon og som er mer enn villig til å bidra selv for å få et bedre liv og samtidig bidra til at andre får det. Jeg har også lyst til å sette fokus på korrupsjon, maktmisbruk og brudd på menneskerettigheter. Flere av våre forslag handler om å sette fokus på Mange av de landene som Norge bidrar med bistand til, ligger aller nederst på listen til Transparency Internationals korrupsjonsindeks, noe som i seg selv burde ha bidratt til at alle alarmklokker skulle ha ringt. Når vi på spørsmål til statsråden får høre at Norge bidrar med 34,8 mill. kr til korrupsjonstiltak, er ikke vi videre om at regjeringen utarbeider en svarteliste over de bistandsorganisasjonene som ikke tar korrupsjon på alvor. Vi har i det siste også lest i mediene at i bl.a. land som Etiopia og Indonesia er trusler og maktovergrep fra myndighetene en problemstilling, hvor myndighetene nekter å gi mennesker bistand til mat og eiendom hvis ikke befolkningen er lojal mot den sittende regjering. Jeg har stilt miljø- og utviklingsministeren spørsmål om dette også, så sent som for en måned siden. Svaret jeg fikk, var ikke spesielt oppløftende. Statsråden sier i sitt svar at de har sett på problemstillingen og ikke har funnet noen holdepunkter for at myndighetene systematisk misbruker bistand. Når det ikke finnes politisk opposisjon, og folk ikke får mat hvis de ikke er lojale mot regjeringen, er det vel ikke spesielt overraskende at man ikke får ærlige svar når man spør Fremskrittspartiet er bekymret, en rekke bistandsland bryter åpenbart med menneskerettighetene og holder sin befolkning nede. Fremskrittspartiet ønsker at verden skal bli et bedre sted å leve for alle og ikke bare for makthaverne og den politiske elite. Derfor endrer vi innretningen på bistandsbudsjettet, for å nå ut til menneskene og gi dem et meningsfylt og verdig liv.

Det er heller ikke dårlig arbeidsmoral hvis du er funksjonshemmet og søker på jobb etter jobb, men ingen arbeidsgiver tør å ta deg fordi de er redd for at du ikke skal gjøre jobben din skikkelig, fordi de ikke ser på hva du har oppe i hodet, men hvordan du kommer deg fram, eller fordi de er for redd for at det skal koste penger å tilrettelegge for deg på arbeidsplassen. Å være i utenforskapet betyr ikke å stå utenfor fellesskapet, men for veldig mange kan det faktisk føles sånn. Det er viktig å si dette, og det er viktig å si det både i denne sal og til andre ute i den offentlige debatten, enten de står til høyre eller venstre i politikken, at man kan ikke redusere det økende utenforskapet i Norge til et spørsmål om arbeidsmoral. I alle år har Arbeiderpartiet og Høyre stått sammen om en arbeidslinje politikken. Man har vært enig om to grunnleggende ting. Det første man har vært enig om, er at det skal være grunnleggende gode og anstendige velferdsordninger for dem som er for syke til å jobbe. Det er ikke noen diskusjon. De skal være anstendige, og de skal være gode. Så har man samtidig vært enig om at arbeidsinnsats må lønne seg, fordi vi vet at hvis det er sånn at du risikerer å tape penger på å gå fra en stønad og ut i arbeidslivet, ja da er det færre som gjør det. Det er ikke så fryktelig rart. Det er jo vel mye forlangt av folk at de skal sitte igjen med mindre i lommeboka hver eneste måned ved at de velger å jobbe mer. Det synes jeg med all respekt er å kreve for mye. Jeg er ganske sikker på at både statsministeren og statsråden er enige med Høyre og meg i den Ja, faktisk hører jeg både statsråden og statsministeren si det hele tiden også. Problemet er jo at regjeringen ikke er enig med seg selv. Jens Stoltenberg er fra Mars, SV er fra Venus i denne debatten. Hva er det som er regjeringens svar på disse utfordringene? Det er jo komplett umulig å få grep om. Regjeringspartiene sier noe den ene dagen – noe helt annet den andre dagen. Den ene dagen understreker man på Arbeiderpartiets hjemmeside at det er ikke mulig å få noen som er ufør i dag, over til arbeid igjen, for hvis du er ufør, er du per definisjon syk. Da ignorerer man for det første at nesten 100 000 av dem som står utenfor arbeidslivet, sier at de både kan og vil jobbe mer. Men ikke bare det, man sier stikk imot det som er statsrådens og statsministerens eksplisitte politikk, nemlig at det er mulig, gjennom å tilrettelegge, gjennom å stimulere, å få flere mennesker over fra uførepensjon og inn i arbeidslivet. Det siste bidraget fra regjeringen var en komplett kaossituasjon rundt den nye uførepensjonen, med styrte lekkasjer fra en eller annen part som har gjort at veldig mange mennesker rundt om i Norge akkurat nå sitter og er usikre på om de kommer til å ha et livsopphold som er skikkelig og grunnleggende i årene framover. Det var sånn at for noen dager siden kunne vi høre at en enslig ung minstepensjonist risikerte å miste 35 000 kr nærmest over natta. Hvis vedkommende da ikke satt oppe og hørte på kveldsnyhetene også, ble det inntrykket sittende igjen. Regjeringen, Arbeiderpartiet, er grunnleggende splittet om selve arbeidslinja og grunnleggende splittet om veien videre i velferdspolitikken. Og det er ganske alvorlig, for det er vår største velferdsutfordring. Drop-out-tallene øker, sykehuskøene øker. Vi har en større andel unge uføre enn noen gang før. Vi har størst økning i uføresaker blant unge. Vi har flere unge sosialklienter. Vi har absolutt null fremgang i å få flere med tilretteleggingsbehov inn i arbeidslivet. Jens Stoltenberg sa tidligere i dag at det var slutt på å stå med lua i handa i Norge. Jeg vil oppfordre og spørre alle dem som der står og venter på saksbehandling, på å få innfridd de mest grunnleggende rettighetene i velferdssamfunnet vårt, om de føler seg noe bedre enn de som sto med lua i handa for noen år siden. I tillegg har vi også fått, med de samme målene som i 2005, flere fattige i Norge, og forskjellene øker. Det året forskjellene gikk ned i Norge, skyldtes det en finanskrise, ikke rød-grønn politikk. Høyre har foreslått tilretteleggingsgaranti, Høyre har foreslått tilretteleggingsgaranti, vi har foreslått skattelettelser der det monner mest, nemlig for dem med lave og middels inntekter, vi har foreslått bedre oppfølging og en massiv satsing på rehabilitering. Deler av Arbeiderpartiet er enig med oss, den andre delen springer i den stikk motsatte

Og i dag går spekulasjonene om Spania, Portugal og Belgia vil gjøre listen enda lengre. Norge har kommet seg svært godt gjennom finanskrisen, ikke minst takket være en god og passe dosert økonomisk politikk. Vi kan diskutere hjertesaker til vi blir gule og blå her i salen, men er det ikke orden i den økonomiske politikken, forsvinner det handlingsrommet og alle gode ønsker som dugg for solen. Neste års statsbudsjett fortsetter på denne solide politiske kursen. kursen. Selv om dette budsjettet er strammere enn på mange år, satser vi på noen viktige områder. Det er særlig to grupper jeg vil trekke fram, som vil nyte godt av det, og det er de eldste med behov for pleie og omsorg, og ungdom som sliter på skolen og står i fare for å droppe ut. Ny GIV-satsingen innebærer en styrking av kampen mot frafall på 175 mill. kr. De pengene skal vi bruke på mer praktisk opplæring, tettere oppfølging av den enkelte og bedre rådgivningstjeneste, flere læreplasser og mer utplassering i arbeidslivet. De videregående skolene har selvfølgelig en nøkkelrolle i dette arbeidet. Det er på disse skolene frafallselevene går. De videregående skolene eies og drives av fylkeskommunene. Da er det oppsiktsvekkende at Høyre og Fremskrittspartiet vil kutte i budsjettene til skoleeier med 500 mill. kr. Et slikt vil ramme elevene, uansett hvordan de vrir og vender på det. Elevene, og særlig de som har sluttet skolen, men som er hanket inn igjen, peker på bedre voksenkontakt og gode relasjoner til læreren som vesentlig årsak til at de får det til på skolen igjen. Fremskrittspartiet bruker noen av de sparte pengene på Det er underlig å kutte en halv milliard til den offentlige skolen, der 98 pst. av elevene går, mens de tar seg råd til å sende 70 mill. kr til private skoler, som har 2 pst. av elevene. Jeg er kjent med at Fremskrittspartiet har større tro på private løsninger enn kommunale, men jeg synes det er ufint å skyve elevene foran seg i en ideologisk kamp mot fylkeskommunen. Og skal vi ta Fremskrittspartiets alternative budsjett på alvor

elevplasser i private og kommersielle skoler. En slik utvikling gjør ikke norsk skole bedre. Den styrker heller ikke kampen mot frafall eller hjelper frafallselevene nevneverdig. Alt tyder på at kunnskap og kompetanse blir en enda viktigere faktor i arbeidslivet i framtiden, og da må vi sørge for at flest mulig lykkes i skolen, og at de gjennom utdanning kan realisere seg selv og få et godt liv. Tiltak for å få dette til innebærer en sterk offentlig sektor. Det betyr at vi må ha inntekter til fellesskapet gjennom skatter og avgifter i stedet for høye egenandeler på helse og utdanning, som vi ser i mange andre land. Det betyr at vi må ha orden i økonomien. For to år siden ble begrepet «for lite, for sent» gjentatt av opposisjonen til det kjedsommelige. De mente vi ikke traff i tiltakene mot finanskrisen. Vel, nå står vi her to år senere, og tiltakene traff svært godt. Det var opposisjonen som tok feil. Og hvis noen er i tvil, kan de jo ta en titt på det internasjonale nyhetsbildet. Jeg er rimelig sikker på at dette budsjettet ville ethvert parlament i Europa omfavnet med

de konkrete resultatene i forhold til fattigdomsbekjempelse, som er et annet punkt som har gått igjen. Men det punktet som det kanskje er brukt mest tid på i denne debatten fra de rød-grønne, er hvem som skal avløse dem i 2013. Det må jo bety at man har resignert, og erkjenner at man ikke vil få velgernes tillit i 2013. Man burde hatt en helt annen offensivitet i debatten og diskutert mer hva man kan gjøre for å beholde makten. Men jeg registrerer med glede at man erkjenner at Fremskrittspartiet og Høyre, og eventuelt flere, vil overta regjeringskontorene i 2013. Fremskrittspartiet er enig i mye av det regjeringen retorisk sier når det gjelder arbeidslinja. Men For hva har skjedd siden de rød-grønne overtok makten i 2005? Jo, vi har fått 169 100 nye uføretrygdede, altså personer som er gått ut av arbeidslivet og over på permanente uføreytelser, altså passive ytelser. Vi har fra 2008 til 2009 hatt en økning på 8 000 nye Det vitner ikke akkurat om en massiv satsing på løsning av fattigdomsproblematikken. Fremskrittspartiet har faktisk tro på at man kan få færre uføretrygdede. Det betyr at man også må ha en mye bedre oppfølgingspolitikk. Det betyr at vi må satse på arbeidsmarkedstiltak på en mye bredere og bedre måte enn det regjeringspartiene legger opp til. Derfor har vi også i vårt alternative statsbudsjett foreslått og samtlige som var på høring i arbeids- og sosialkomiteen, sa at dette er et viktig virkemiddel for å unngå at flere skal bli uføretrygdede. Så her viser man at Fremskrittspartiet også har de politiske løsningene. Jeg registrerer at SV har gitt opp kampen mot fattigdom. Vi husker alle sammen at partileder Kristin Halvorsen i SV ved valget 2005 gikk ut og sa at man skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Men jeg registrerer også et intervju i Nettavisen 11. november i år med hennes kronprins, Audun Lysbakken, under overskriften «Gir opp avskaffelse av fattigdom». Vi har fått en tredobling av barn som lever i fattigdom – vi har fått 70 000 barn, og ikke nok med det: Vi har også – som sagt – fått 8 000 flere sosialhjelpsmottakere. Derfor foreslår Fremskrittspartiet 200 mill. kr mer til bekjempelse av fattigdom gjennom frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner, som bl.a. Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Blå Kors. Vi kjenner alle deres gode tilbud for ferieordninger og aktiviteter bl.a. til fattige barn. I sommer måtte de si nei til ⅔ av søkerne – altså to av tre søkere måtte de si nei til fordi man manglet penger. Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for at man Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for at man kan få flere sånne tilbud. Det er etterlyst en helhetlig boligsosial handlingspolitikk fra de fattige. Jeg var i går og besøkte Maritastiftelsens botilbud, som er et utmerket tilbud som viser hvordan de ideelle organisasjonene sørger for å få til en bedre satsing og gi flere vanskeligstilte ungdommer et botilbud. Til slutt har jeg lyst til å henvise til representanten Trettebergstuens innlegg, der hun viste til at Fremskrittspartiet foreslo dramatiske kutt på sykelønnsordningen. Det måtte bety at det ble dårligere for dem som var syke, med mindre ytelser. Med respekt å melde: Jeg leser i Dagens Næringsliv i dag at nye tall – anslag fra Finansdepartementet – viser en reduksjon i sykelønnsutbetalinger med 3 mrd. kr. Betyr det at regjeringens politikk har ført til at de sykmeldte har fått dårligere ytelser? Nei. Fremskrittspartiet la i sitt alternative budsjett i fjor opp til en reduksjon på 2,6 mrd. kr, og ble hudflettet. Det viser seg at våre beregninger ble mye mer korrekte enn

I tråd med Høyres ambisjon om å hjelpe dem som trenger det mest, vil jeg nå klargjøre enkelte punkter: Kjernen i Høyres politikk er frihet og sosialt ansvar, mangfold og maktspredning, tradisjon og forvalteransvar. I en tid som setter likhetstegn mellom fellesskap og stat, vil Høyre minne om alt som ikke er eller bør være politikk. I en tid som setter likhetstegn mellom frihet og egoistisk selvhevdelse, vil Høyre minne om verdier som ansvar og anstendighet. I en tid som setter likhetstegn mellom høyere skatt og bedre velferd, skal Høyre minne om at verdier må skapes før de fordeles, og at det å kunne leve av egen inntekt er den viktigste formen for velferd vi har. Høyre kjemper for et samfunn der ulike mennesker har like muligheter til å lykkes, der det å skape sin egen fremtid møtes med belønning fremfor straff, der de svakeste blant oss møtes med verdighet, hjelp og en utstrakt hånd, der frihet og rettigheter finner sin følgesvenn ansvar og plikter. Velferdsstatens fremste mål må være å gjøre mer for dem som trenger vår felles hjelp aller mest. Martin Kolberg kalte formuesskatten «en liten ting» tidligere i kveld. Det er jeg enig i. Derfor er det uforståelig at regjeringspartiene bruker så mye tid på å snakke om hvordan vi skal gjøre de rike fattigere, når det må være mye viktigere å snakke om hvordan vi skal gjøre de fattige rikere. Regjeringen er mer opptatt av at foreldre med to inntekter skal få billigere barnehager, mindre opptatt av å gjøre noe med at andelen barn som lever i fattigdom, er tredoblet med SV i regjering, mer opptatt av at velferdstjenestene skal være offentlige, mindre opptatt av at de er gode. Selvsagt mener regjeringen at velferdstilbudet skal være godt nok. Resultatet av regjeringens politikk er imidlertid at det verken er godt eller nok. Mer enn 4 000 mennesker venter på rusbehandling i Norge. Det er en skammens kø en skammens kø som rammer de absolutt svakeste blant oss. Det er usolidarisk, usosialt og urettferdig, og det må den sittende regjeringen ta ansvar for. Regjeringen ofrer enkeltmennesker og familier på ideologiens alter. 70 000 flere står i sykehuskø nå enn da regjeringen overtok i 2005. For den rød-grønne regjeringen er det åpenbart bedre å stå i offentlig kø enn å få privat

La meg minne ham om følgende: Ingen satser mer på forskning og utvikling av miljøteknologi enn Høyre. Ingen satser mer på skogvern enn Høyre – vi øker skogvernet i Norge med nesten 25 pst. i vårt alternative statsbudsjett. Vi øker bevilgningene til opprydding av giftstoffer. Vi fremmer forslag på forslag i denne sal for å fremme energieffektivisering, miljøteknologi, omlegging til miljøvennlig drivstoff, satsing på grønne arbeidsplasser over hele landet, stabile og forutsigbare rammevilkår – for å nevne noe. De stemmes rutinemessig ned, uten alternative forslag fra regjeringspartiene. Ja, fra regjeringens side går det sågar i feil retning. Denne regjeringen er verdensmester i klima- og miljøretorikk. Resultatene er knapt nok middelmådige. Med regjeringens tempo vil det være nærmest umulig å innfri ambisjonene i klimaforliket. Da er det kanskje mer opportunt å bygge en stråmann rundt andres politikk enn å snakke om resultatene av sin egen. La meg minne representanten Serigstad Valen om at våre etterkommere ikke vil måle oss på vår vilje til å love, men på vår evne til å levere. Da er ord ingen erstatning for handling. Det har vært mye snakk om skatt i dag – også fra representanten Serigstad Valen. Da kan det være verdt å minne om Kristin Halvorsens ord fra 2004, da hun uttalte til Nettavisen: «SV kan ikke skatt». Det er sjelden jeg er så enig

Det som har vært kjennetegnet for norsk politikk siden annen verdenskrig, har vært at når det kommer til de store spørsmålene, de viktige reformene, har man klart å få flertall i denne sal – ofte et bredt flertall. Det er mange eksempler på at Arbeiderpartiet har dratt opp de store linjenes politikk, og hvor sentrum og også Høyre etter hvert har gitt sin tilsutning til dette. Politikken har vært tuftet på tre elementer: en økonomisk politikk hvor man har en åpen økonomi med god handelsbalanse, og hvor alle bidrar etter evne til fellesskapet, en velferdspolitikk hvor alle skal sikres inkludering, trygghet for helse og utdanning og minimumsløsninger i bunnen hvis man faller utenfor arbeidslivet, og en arbeidslivspolitikk tuftet på trepartssamarbeidet, som har gitt oss en sentral, forutsigbar framforhandlet lønnsutvikling med relativt lav streikehyppighet – et samarbeid som også har satt oss i stand til å gjennomføre tunge reformer, og som kan spille på lag gjennom moderasjon i trange tider. Dette er ute i verden kjent historisk som den nordiske modellen. Resultatet av denne politikken har ført til relativt små forskjeller og et stabilt samfunn som har høy vekstkraft. Vi står nå i fare for å bryte med dette også i Norge. Det at Høyre og Fremskrittspartiet nå er et reelt regjeringsalternativ alene, gir oss den potensielle faren at vi nå kan få en regjering som politisk-ideologisk ligger til høyre for partiet Høyre. Hvorfor kaller jeg det en fare? Jo, hvis man går inn i de to partienes alternative statsbudsjetter og analyserer hva de faktisk prioriterer mest, er bildet ganske skremmende. Hvis man tar det tankeeksperimentet at man ser for seg at Høyre og Fremskrittspartiet skulle blitt enige om et statsbudsjett i dag på de alternative budsjettene, ligger skattekuttforslagene deres på en gyllen middelvei på om lag 20 mrd. kr. Da forutsetter vi at begge gir og tar like mye i forhandlingene. Men la meg nå si at Høyre vinner fram litt ekstra, fordi de har gitt garantier. Da blir kanskje skattekuttet på Hvordan vil det påvirke nasjonen Norge i framtiden? Jo, det første året vil man klare å finansiere opp dette med sine kutt i bistand, rasering av landbruket og nedbygging av offentlig tjenesteyting. Nå vil jeg ile til og si at bistandskutt man her kan se for seg, er både umoralsk og uanstendig. Konsekvensene av rasering av landbruket vil bety noe mer enn for bare den enkelte bonde. Det vil også ramme hardt i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og i reiselivet, og det vil bety et endret bosettingsmønster i nasjonen. nasjonen. I mitt hode er det i hvert fall ikke slik at det går en hel haug med folk rundt i offentlig sektor uten at de gjør gagns nytte for seg. Men hva så med år to i et slikt scenario – hva skal de da kutte for å opprettholde de skattelettene de har innført? Man kan ikke rasere en næring mer enn én gang, og man kan ikke si opp folk mer enn én gang. Det verste er at man med 17 mrd. kr ikke engang er i nærheten av å innfri sine egne løfter når det kommer til skattelette. Tar man de to partiprogrammene og ser på hva den gylne middelvei er der, er det ca. 54 mrd. kr i skattelette – altså tre ganger mer enn det man ser av rasering med kuttet på 17 mrd. første året. Dette er det som er kjernen i det som jeg frykter, og som potensielt kan gi oss et helt nytt Norge. Vår statsminister har tidligere gitt et bilde på forskjellen mellom en

Men ser vi for oss et bilde med en flertallsregjering som ligger til høyre for partiet Høyre, blir bildet helt annerledes. Da må man heller se for seg to speedbåter som kjører i ganske forskjellig retning, og hvor forskjellene er store med én gang, og øker etter hvert. Dette scenario vil skape et helt nytt Norge, hvor det ikke lenger er «gjør din plikt, krev din rett» som gjelder, men heller om du har råd til å kjøpe minimumsløsninger, om du har råd til å kjøpe deg trygghet for deg og dine, og hvor forskjellene i samfunnet vil bli radikalt større. Et slikt samfunn kan man fint klare å skape på fire år med et flertall fra Høyre og Fremskrittspartiet, men det er ikke mulig å reversere det etterpå. Det har tatt oss generasjoner å bygge landet til verdens beste land å bo i, og det trengs ikke mer enn fire år med en regjering som fører en så uansvarlig og uanstendig fordelingspolitikk som man ser i de alternative statsbudsjettene til Høyre og Fremskrittspartiet, for totalt å endre det Norge som veldig mange av oss

Slik er det ikkje i dag, og derfor går Framstegspartiet inn for at vi skal ha ei statleg finansiering av velferdstenestene. Det er ei behovsstyrt statleg finansiering som medfører at dersom det er behov, utløyser det finansiering. Det betyr at dei som har behov for desse tenestene, får uavhengig av om dei bur i ein rik kommune eller ein fattig kommune, og uavhengig av lokalpolitikarane sine prioriteringar. Men vi innser jo det at i denne perioden får vi ikkje gjennomslag for det prinsippet, og inntil vi får gjennomslag, vil vi sjølvsagt ta utgangspunkt i dagens budsjettsystem og dei utfordringane det gir. Dei raud-grøne, sosialistiske partia hevdar at dette budsjettet medfører ein styrkt kommuneøkonomi. No er det slik at dei tilbakemeldingane som vi får frå Kommune-Noreg, viser at ein i dei fleste kommunane dessverre ikkje opplever det slik. Det er lite som tyder på ein styrkt kommuneøkonomi sett frå kommunane si side. Det er ingen tvil om at kommunane får fleire kroner til neste år enn dei får i år – at dei altså får auka overføringar. Men det er også auka oppgåver i kommunane, det er strengare krav i Kommune-Noreg til dei tenestene som skal ytast, og det er aukande forventningar i befolkninga som også krev ressursar. I tillegg blir vi fleire i dette landet. Fleire innbyggjarar kostar meir pengar. I tillegg blir vi fleire i dette landet. Fleire innbyggjarar kostar meir pengar. Vi har også ei aldrande befolkning i Kommune-Noreg. Når vi tek omsyn til alle desse forholda, er det ikkje nokon styrkt kommuneøkonomi som ligg inne i statsbudsjettet for 2011. Derfor foreslår Framstegspartiet meir pengar til kommunane. Vi ønskjer å auke frie midlar til kommunane med 1 mrd. kr. Vi ønskjer å auke driftsmidlane til eldreomsorg auke driftsmidlane til eldreomsorg med 2 mrd. kr og øyremerkje dei, og vi ønskjer også å auke finansieringa av ressurskrevjande tenester med 0,7 mrd. kr, altså 700 mill. kr. Når det gjeld eldreomsorga, må det meir til enn valkampprat. Det må handling til. Derfor går vi inn for desse øyremerkte midlane til drift, men vi ønskjer også å styrkje finansieringa av sjukeheimsplassar og omsorgsbustader. Vi vil auke ramma for 2011 frå 2 000 til 3 000 plassar, og vi ønskjer også å auke taket frå 890 000 kr per sjukeheimsplass til 1,3 mill. kr per plass. Det trur vi vil gi ein fart på utbygginga. Vi ønskjer også å opne opp for at private kan ta del i den utbygginga. Vi har også sett av pengar til at eksisterande bustader skal bli tilpassa, slik at dei eldre, dersom dei ønskjer det, kan bli buande heime lenger. Ressurskrevjande tenester er noko som regjeringspartia har forverra finansieringa av for inneverande års budsjett ved at dei reduserte den delen som skal finansierast av staten, frå 85 pst. til

Kultur-Norge har opplevd tidenes satsing på kultur etter at den rød-grønne regjeringen tok over i 2005. Med budsjettet for 2011 passerer opptrappingen over 3 mrd. kr. For kultursektoren er det mye penger, svært mye penger. Når vi vet at i 2005 brukte vi 5 mrd. kr på kultur, og i 2011 vil vi bruke over 8 mrd. kr, får vi et godt bilde på hvilke store endringer som har skjedd i Film er et godt eksempel på dette. Vi har nådd målet om 25 langfilmer i året. For øyeblikket går det over elleve norske filmer på kinoene i Oslo. Man kan si at det dreier seg ikke bare om kvantitet, men også om kvalitet, for de siste årene har en rekke norske filmer blitt prisbelønt på internasjonale filmfestivaler. filmfestivaler. Det skyldes ikke minst den satstingen regjeringen har gjort på film, at vi har greid å få så mange langfilmer og såpass mye kvalitet. Norsk film skapes og produseres nå i hele landet, og vi har lyktes med å etablere en rekke filmmiljø rundt om i Norges land. Film er en kulturnæring i vekst, både i Målselv, på Frivillig sektor er den store budsjettvinneren på kulturbudsjettet for 2011. Gjennom en kraftig økning av momskompensasjonsordningen får frivillig sektor mange ganger mer i økning enn de andre aktørene på kulturfeltet. Denne momskompensasjonen utgjør den største satsingen på frivilligheten over statsbudsjettet noensinne. Når man legger til det regjeringen allerede har gjort av over statsbudsjettet og gjennom tiltak for å redusere byråkrati og skattebyrde, er konklusjonen at ingen regjering noen gang har satset så mye på det frivillige Norge. Vi vet at stadig flere barn får hjelp av barnevernet. I 2009 mottok over 46 000 barn hjelp fra barnevernet. Det er en økning på over 46 pst. på ti år. Likevel er det mange barn som ikke får hjelp. Fylkesmannens tilsyn viser at mange barnevernssaker blir henlagt på grunn av ressursmangel. Vi er i ferd med å få en ny type mappebarn. Derfor får vi nå den største innsatsen i det kommunale barnevernet siden 1990-tallet. I statsbudsjettet for 2011 legges det opp til 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet. Disse blir øremerket for å sikre at pengene blir brukt på de barna som trenger hjelp. I første omgang vil behovet være flere ansatte i barnevernet. Disse skal sørge for at bekymringsmeldinger blir fulgt opp, og at de barna som trenger hjelp, følges opp videre. Vi blir beskyldt av høyresida for å ha allergi mot alt som er privat, og for å rasere private barnevernsinstitusjoner. Det er en merkelig beskyldning i en situasjon hvor over halvparten av alle barnevernsinstitusjoner er på private hender, og hvor staten har redusert bruken av institusjonsplasser både i statlig og privat regi. I budsjettet for 2011 foreslår Fremskrittspartiet et kutt i det statlige barnevernet på Høyre kutter ikke like mye, men begge budsjettene vil føre til massiv nedleggelse av statlige barnevernsinstitusjoner. I verste fall vil det bety nedleggelse av halvparten av alle statlige barnevernsinstitusjoner. Dette er virkelig et ideologisk korstog mot alt som lukter statlig. Men det verste er at dette vil ramme barna, som vil måtte vente lenge før de får den omsorgen de har krav på. Norske småbarnsforeldre har en valgfrihet som i internasjonal målestokk er unik. Vi tvinges ikke til å velge vekk barn dersom vi ønsker å være yrkesaktive. Vi kan faktisk si ja takk til begge deler. Foreldrepermisjonsordningen gir oss i form av dens eksistens en stor valgfrihet. Og gjennom budsjettet gjør bedre. Vi sikrer at også fedre får tilgang til denne flotte ordningen gjennom å utvide fedrekvoten til hele tolv uker. Og med fedrekvoten utvisker vi de gamle kjønnsrollemønstrene som har begrenset fedres valgfrihet. Det har aldri vært høyresida som har gitt småbarnsforeldrene økt valgfrihet. Det er det venstrepartiene og mellompartiene som har

Landbrukspolitikken fratar matprodusentene det meste av næringsfriheten samt innholdet av eiendomsretten og gjør at utviklingsmulighetene er få. Det er naturlig nok vanskelig med rekruttering til en næring som er så gjennomregulert med et omfattende byråkrati. For å snu denne vedvarende negative utviklingen for landbruket er det nødvendig med grunnleggende endringer som gjør at bonden får bestemme mer over egen produksjon og at politikere og byråkrater får mindre innflytelse. Færre regler og reguleringer for landbruket vil bety større utviklings- og inntektsmuligheter enn det som dagens regulerte rammebetingelser for næringsoverføring gir grunnlag for. Det vil etter hvert bli en friere verdenshandel også for matvarer, og da er det viktig at man benytter denne tiden for å sikre at norsk landbruk får rammebetingelser som er tilpasset et nytt handelssystem. Friere handel også med landbruksprodukter vil bety større konkurranse i det norske matvaremarkedet, noe som vil komme forbrukeren til gode. Det vil også innebære eksportmuligheter og nye markeds- og inntektsmuligheter for norske matprodusenter. Mens regjeringen er mest opptatt av å holde fast på den gammeldagse reguleringspolitikken som ikke fungerer, mener Fremskrittspartiet at vi må gripe de mulighetene en friere handel gir for landbruket. Vi har i den siste tiden kunnet lese forsker Ivar Gaaslands doktoravhandling om norsk landbruk. Han mener at matsikkerheten og kulturlandskapet kan opprettholdes med et kutt på over kutt på over 12 mrd. kr. Kuttet han foreslår, utgjør 2 500 kr pr. innbygger i Norge. Det er omtrent like mye som staten bruker på å drive politi, påtalemyndighet og rettsvesen i Norge. Dagens landbruksstøtte er innrettet slik at det blir produsert mer enn det forbrukerne trenger av f.eks. melk. Overskuddsmelken blir brukt til å lage ost og smør, som eksporteres til utlandet, til lavere pris enn det produktene koster i Norge. På den måten bidrar norske skattebetalere og melkedrikkere – ofte småbarnsfamilier – til å sponse utlendingers forbruk av billig Jarlsberg-ost. Dette er en veldig kostbar måte å holde oppe aktiviteten i jordbruket på. Vi får en overføring av midler fra norske borgere til utenlandske ostespisere som koster hver familie 800 kr pr. år – eller norske betalere én milliard norske kroner. Flere og flere forskere har den siste tiden vært enig Jeg har i dag vært på et seminar i Statens landbruksforvaltning, der bl.a. forsker i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning – NILF – Ivar Pettersen, sa at doktoravhandlingen til Ivar Gaasland er fornuftig. Han tok også til orde for at man må se på omstilling i landbruket og starte forskning på landbrukspolitikkens rasjonalitet. Pettersen sa også at de som hevder at Fremskrittspartiets politikk vil rasere landbruket, tar feil. Det er bare å registrere at forskere i Norge er på kollisjonskurs med Riksrevisjonen er også kritisk til regjeringens politikk, og sier: Det er behov for økt målretting og mer risikobasert kontroll av tilskudd, og at differansen mellom den faktiske situasjonen og mål i for liten grad er styrende for utformingen og fordelingen av tilskudd. Riksrevisjonen påpeker det samme år etter år, nemlig mangel på styring og kontroll. Man kan også lese at man betaler ut store beløp uten at man kan fremvise faktura eller dokumentasjon på utbetalingene.

Sammenlignet med Sverige og Danmark er prisen på kjøtt og meieriprodukter over 50 pst. høyere i Norge. Regjeringen har også innført en melketoll på svimlende 388 pst. Forbrukeren presenteres for et særnorsk prisnivå og et dårligere produktutvalg som følge av det jordbrukspolitiske systemet. Resultatet av den førte jordbrukspolitikken viser at den tjener verken forbrukerne eller produsentene. Fremskrittspartiet mener det er på tide med en opprydding i det jordbrukspolitiske der produsentene får muligheter til å utnytte produksjonsmuligheter på gården og der forbrukeren får mer makt på bekostning av byråkratiet. Jordbruksavtalen har utspilt sin rolle og bør avvikles; ingen bør ha en egen forhandlingsrett til penger på statsbudsjettet. Fremskrittspartiet mener at det hurtig må startes en prosess med å modernisere jordbruksnæringens rammevilkår, slik at det utvikles en robust næring næring som offensivt kan møte internasjonal konkurranse når tollmurene faller. En jordbrukspolitikk preget av mindre politisk styring og mer nærhet til forbrukerens behov vil skape nye muligheter for norske matprodusenter og folk flest.

faktisk er det som landets fremste politiker mener er det viktigste i det året man går inn i. I nyttårstalen for dette året var det altså kunnskap. «Kunnskap trumfer alt», var budskapet som ble gjentatt kanskje så mye som 20 ganger i løpet av talen. Man skulle jo da tro – når regjeringens forslag til statsbudsjett kom – at satsing på kunnskap ville gjennomsyre budsjettet, så høyt som statsministeren flagget det i nyttårstalen. Men nå vet vi at slik ble det ikke. For første gang på ti år – ti år – viser det viktige forskningsbudsjettet en real nedgang. Selv i året som ble mest kjent for daværende kunnskapsminister Øystein Djupedals berømte hvileskjær, 2007, sto det mye bedre til. NIFU STEP, som har analysert forskningsbudsjettene gjennom flere år, sier at dette er det svakeste budsjettet i dette tiåret. Og dette budsjettet legges altså fram i det samme året som statsministeren har satt kunnskap øverst på dagsordenen sin nyttårstale. Forstå det den som kan. Vi trenger egentlig verken nyttårstaler eller andre festtaler for å skjønne at investering i kunnskap er av stor viktighet. Norge er et lite høykostland i utkanten av verden. Da er det logisk at vi – for å få solgt det vi produserer – må kompensere med bedre produkter og smartere løsninger enn det våre konkurrenter kan tilby. Ja, det er faktisk den eneste muligheten Norge har. Og stikkordene forskning, utvikling og innovasjon er det som skal til for å klare det. Dette gjelder naturligvis ikke bare for Norge, men det er ekstra viktig i Norge akkurat nå fordi vi står overfor ganske store omstillinger i vårt eksportrettede næringsliv om noen år. Grunnen ligger i følgende spørsmål: Hva skal vi leve av etter oljen? Svaret er like enkelt som det er krevende: Vi må utvikle ny kunnskap for å skape mer innovasjon for å skape nye arbeidsplasser til erstatning for dem som vil gå tapt. Det begynner altså med ny kunnskap, og den er det forskningen som skal gi oss. Utgifter til forskning i dag er investering i de løsningene og produktene vi skal leve av i morgen. Problemet er at det kan ta lang tid. Det er altså nå vi må satse dersom vi skal klare å opprettholde verdiskaping, levestandard og velferd om 30–40 år. Heldigvis har vi akkurat nå et enestående økonomisk handlingsrom til å klare det, men da må Norge prioritere å bruke handlingsrommet til satsing på forskning og andre vekstfremmende tiltak. Men det gjør ikke regjeringen, regjeringen svekker forskningsinnsatsen når den burde vært styrket. Det er helt uforståelig. Høyre har en klar satsing på forskning i sitt alternative statsbudsjett. Hele 600 mill. kr mer enn regjeringen bruker vi på dette feltet, og 15 mrd. kr mer til forskningsfond. Mye av dette går til å styrke forskning i næringslivet fordi Norge kommer dårligst ut her sammenliknet med andre land. Men dessverre kommer Norge dårlig ut nesten uansett hvordan vi sammenlikner. Norge er fra før dårligst i Norden og under gjennomsnittet i Europa når det gjelder forskning. Regjeringens statsbudsjett svarer overhodet ikke på disse utfordringene. Andre land rundt oss, de vi først og fremst konkurrerer med, satser tungt og ambisiøst selv om de ikke har det økonomiske handlingsrommet som vi har. Regjeringens prioritering er uforståelig, og statsministerens «kunnskap trumfer

Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett inneber at me for neste år tek endå eit stort lyft for veg- og jernbanenettet i landet. Det er særleg gledeleg at me no får ei spesiell satsing på drift og vedlikehald. Som gamal ordførar veit eg at det er veldig stas å klippa snorer og opna nye anlegg. Likevel er det minst like viktig å ta vare på den infrastrukturen me allereie har, både for å betra trafikktryggleiken og for å sikra betre framkome og livskvalitet for folk som ferdast på veg og på bane. Det føreslegne budsjettet vil stansa forfallet på vegane våre, og det vil starta arbeidet med å ta igjen etterslepet på jernbanen. Satsinga på veg og bane er med sine 29,4 Med dette har løyvingane til veg auka med om lag 44 pst. sidan 2005, og til jernbane med om lag 67 pst. Vegvedlikehald vert med dette budsjettet auka med heile 60 pst. Dette gjer det mogleg å dekkja store behov som følgje av opparbeidd etterslep i vedlikehaldet, kostnadsauke, trafikkauke og nye veganlegg. Løyvinga vil òg gje 1 000 km med nytt asfaltdekke på riksvegane. Nær 7 mrd. kr som statleg løyving til veginvesteringar vil gje mykje ny veg og bidra til tryggare og betre framkome og til redusert reisetid for mange. Og sidan me ikkje har bompengeallergi, dryger me desse milliardane med ytterlegare 3–4 mrd. kr i bompengar. Dermed vert det bygt nye vegar for over 10 mrd. kr i 2011. Regjeringa sitt mål om 1 mrd. kr årleg til rassikring i perioden 2010–2019 vert følgt opp i dette budsjettet. Dermed er det gamle kravet til Nasjonal rassikringsruppe innfridd for første gong. Regjeringa si satsing på rassikring gjev auka livskvalitet for folk som er busette langs rasutsette strekningar, og det inneber høgare effektivitet for næringslivet. Det er avgjerande at me får meir påliteleg togtrafikk. Derfor er det gledeleg at regjeringa held fram med det budsjettlyftet for jernbanen som vart starta i 2005. Framlegget frå 2011 er på 11,5 mrd. kr til jernbaneføremål. Aldri før har det vorte brukt meir. Med nær 5 mrd. kr til drift og vedlikehald går regjeringa lenger enn det som er lagt til grunn i NTP-ramma, og sikrar ei rask og naudsynt betring av jernbanen i Noreg. Det høge investeringsnivået i vår regjeringstid gjer at dobbelsporet Lysaker–Asker kan opnast neste år. Me har òg god framdrift på fleire andre store jernbaneprosjekt. Det ligg store satsingar på kollektivtrafikk og andre miljøtiltak i regjeringa sitt budsjettframlegg. Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byane er auka med om lag 30 pst. til 431 mill. kr. Byar som satsar på god kollektivtrafikk og bilavgrensande tiltak som køprising eller rushtidsavgift, vil kunna nyta godt av denne stimuleringsordninga. Det gjer at dei som faktisk må køyra, m.a. varetransporten, får betre plass og kjem fram i rett tid. Elbilar vil med dette budsjettet framleis ha tilgang til kollektivfelta, kan passera gratis i bomring, ha gratis offentleg parkering og gratis frakt med riksvegferjer. Det vert òg ekstra frådrag i eingongsavgifta for bilar med utslepp under 50 gram CO2 per km, og halv sats på vegbruksavgifta for biodiesel vert vidareført. I dette budsjettframlegget vert òg vilkåra for sjøtransporten betra, m.a. ved at kystavgifta vert redusert med 29,2 mill. kr, og løyvinga til utbygging av hamner og farleier og styrking av oljevernberedskapen vert auka med 90 Å vera medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen inneber at ein stadig møter folk som er utolmodige, og som sterkt meiner at meir skulle vore gjort mykje fortare. Det er svært inspirerande å vera i eit politikkområde med slikt trykk, og det gjer at me stadig leitar etter dei beste løysingane. Godt er det då å få verka innanfor eit felt som av mange no vert karakterisert som budsjettvinnar.

Heldigvis er ikke landets befolkning så dumme at de tror på dette. Nå har vi de siste fire årene på inn- og utpust ikke hørt noe annet enn rop på regjeringsalternativ fra regjeringen. Hver gang de rød-grønne har hatt anledning, har de stilt spørsmålet: Har dere et alternativ? Nå ser det faktisk ut som det kan bli virkelig, at vi i 2013 kan få en borgerlig regjering. Og hva skjer da? Jo, panikken tar regjeringen. Og når en får panikk, er det ofte angrep som er det beste forsvar – og da angrep på de borgerlige partienes alternativer i stedet for å snakke og konsentrere seg om sine egne prioriteringer. Ja, Fremskrittspartiet gir skattelette. Vi gir avgiftslette, og vi lar folk få lov til å beholde mer av sine egne penger. Og dette er faktisk noe som igjen bidrar til verdiskaping. Fremskrittspartiet har tro på enkeltmennesket på at familien kan ha et eget ansvar og ta styring over sine egne liv. Vi ønsker ikke statens klamme hånd, men friheten tilbake til familiene til å ta egne valg om fordeling av foreldrepermisjon og barnepass. Vi ønsker at småbarnsfamiliene får en enklere hverdag, noe som igjen gir trygge rammer og gode oppvekstvilkår. Statsministeren skrøt av at vi Men det er faktisk en sannhet med modifikasjoner. Barnehageplass er helt avhengig av hvilken tid på året man er født. Derfor ønsker Fremskrittspartiet løpende opptak i barnehager. Først da kan vi begynne å snakke om at vi har full barnehagedekning. Og så skal vi ikke glemme at uten de private barnehagene hadde det aldri vært full barnehagedekning, som regjeringen sier i dag. Foreldrene er faktisk mer fornøyd med de private barnehagene, og de drives også mer effektivt. Straffen fra regjeringen er at de strammer inn på det private engasjementet, og at likebehandlingen av offentlige og private barnehager drar ut i tid. Så det er ingen som vet når det kommer på plass. For to dager siden hadde vi i denne sal en viktig og lang debatt om situasjonen i barnevernet – en situasjon som faktisk er veldig alvorlig, om situasjonen i barnevernet – en situasjon som faktisk er veldig alvorlig, og som tre Arbeiderparti-statsråder ikke har klart å gjøre noe med. Men nå har vi altså fått en statsråd fra SV, som ærlig sier at han i alle fall skal prøve. Ja, det er vel og bra med utvalg som skal se på organisering og evaluering av reformen, men vi trenger også strakstiltak. Så er det vel og bra med øremerkede midler. Det etterlyste opposisjonen i fjor. Men det er ikke nok. Etter å ha hørt på representanten Gunn Karin Så er det vel og bra med øremerkede midler. Det etterlyste opposisjonen i fjor. Men det er ikke nok. Etter å ha hørt på representanten Gunn Karin Gjul, som sto her og beskyldte Fremskrittspartiet for å kutte i barnevernet, skal jeg jammen egenhendig gi henne et eksemplar av Fremskrittspartiets budsjett. For det er faktisk stor forskjell på å flytte penger og å kutte penger. Fremskrittspartiet flytter penger fra det statlige barnevernet og over til kommunene og angående barnevernet, og jeg har aldri vært mer sikker på at den rette måten å drive dette på er ved å flytte penger fra et statlig byråkratisk barnevern og over til kommunene, som er førstelinje, og som vet hva som trengs. KS kunne ikke få understreket nok hvor viktig det var med forebygging og tidlig hjelp i familiene, hvor viktig det er å få tatt beslutningene på et kommunalt nivå.

Jeg er stolt av Fremskrittspartiets budsjett. Jeg er stolt av at vi gjør de prioriteringer og valg som faktisk kommer innbyggerne til gode, og som ville ha ryddet opp i masse av det rotet som denne regjeringen har skapt. Jeg har ikke det siste året hørt noen rope opp om at de vil ha mer rød-grønn politikk, snarere tvert imot. Derfor kan jeg si at jeg faktisk gleder meg til valget i 2013, og jeg håper inderlig at Fremskrittspartiet får gjennomslag for noe av sin politikk. Og ja, befolkningen kommer til å merke forandringer, men det er til det bedre. bedre. Når vi diskuterer statsbudsjett, handler det meste om eldre og helse, om skole, om samferdsel, om arbeid – ting som vi er opptatt av fordi vi vil at folk i landet vårt skal ha det bra. Men jeg synes også, når vi diskuterer dette budsjettet, at det er viktig å rette blikket litt utover landets grenser. Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av internasjonal solidaritet. Når vi vet at verdens ressurser er så grunnleggende urettferdig fordelt, når vi vet at over 43 millioner mennesker er på flukt på grunn av krig og fattigdom, når vi vet at demokrati er noe mange aldri har opplevd, ja, da er det viktig at Norge, sammen med andre land, tar et stort ansvar. Klimaendringene og en krevende verdensøkonomi er utgangspunktet for regjeringens satsing på bistand. Høye matvarepriser og reduserte lønninger på grunn av finanskrisen har ikke gjort det å utrydde fattigdom noe mindre krevende enn før. Fra 2007 til 2009 økte antallet som sulter i verden, med rundt 170 millioner. Når det er økonomiske nedgangstider for utviklingslandene, er det enda vanskeligere å få vekst til å få bygd ut velferden. Mange land i Europa har også opplevd konsekvensene av finanskrisen. Det har bl.a. gitt seg utslag i at mange av dem kutter kraftig i sine bistandsbudsjetter. Da er det viktig at Norge fortsatt stiller opp. Klimaproblemet må løses. Det mener de fleste partiene på Stortinget. Jeg mener derfor det er bra at regjeringens budsjett satser så kraftig på nettopp klima og skog, på forebygging av naturkatastrofer, på klimatilpasning og på utvikling av ren energi. For det er de fattigste landene som blir hardest rammet av konsekvensene av klimaendringene, og da er det viktig at også det gjenspeiler seg i utviklingspolitikken. I innstillingen som vi behandler her i dag, kan vi lese i Høyres merknader at de mener at regjeringens utviklingspolitikk stort sett er symbolpolitikk, at den kun handler om å nå en prosentandel av bruttonasjonalinntekten. Det er ingen ukjent kritikk fra høyresiden. Jeg har i mange debatter blitt møtt med at det er resultatene som teller, ikke antall kroner som blir brukt. Jeg er selvfølgelig enig i at det er resultatene som teller, men vi kommer ikke unna at for å få resultater må man også velge å bruke ressurser for å oppnå dem. Jeg mener at det ikke er urimelig at vi ser de ressursene vi bruker, i forhold til hvor store inntekter vi faktisk har. Det handler for meg om anstendighet. Høyre og Fremskrittspartiet har funnet sammen på mange områder i sine alternative budsjetter, bl.a. å gjennomføre store skattekutt. Men de har også funnet sammen i å kutte i bistandsbudsjettet. Fremskrittspartiet vil kutte over 8 mrd. kr, mens Høyre vil ta en drøy milliard. Begge disse partiene tar til ordet for å bruke mer frihandel og nedbygging av tollbarrierer for å løse fattigdomsproblemet. Arbeiderpartiet er ikke i mot handel, men vi tror ikke at det i seg selv er løsningen. For oss handler utvikling og fattigdomsbekjempelse om adskillig mer enn det. For oss handler det om å bidra til å få på plass infrastruktur og utvikle Det handler om å bygge opp helsevesen, om å hindre at kvinner dør når de føder, og om å gi barn skolegang. Det handler om å bidra til demokratiutvikling, ta oppgjør med korrupsjon, bekjempe diskriminering og gjøre folk i stand til å ta ansvar for utviklingen i eget land. Når Høyre skriver i innstillingen at de ønsker å fjerne norsk bilateral støtte til Latin-Amerika og redusere kraftig til jeg bekymret. Jeg blir bl.a. bekymret for det arbeidet som gjøres i Latin-Amerika når det gjelder menneskerettigheter. Da Fremskrittspartiet lanserte sitt budsjett, kunne man lese om store kutt til Afrika, til sivilt samfunn, til internasjonale organisasjoner, fred, forsoning, demokrati og vaksiner – listen er dessverre lang. Og det gjør meg ikke mindre bekymret enn Høyre sine kutt. Jeg tenker på hvor effektivt vaksiner er når det gjelder å bekjempe barnedødelighet, på det enormt gode arbeidet som norske frivillige organisasjoner gjør verden over, på viktigheten av å bidra til fredsbygging. Poenget er at Høyre og Fremskrittspartiets kutt ville ha gitt store konsekvenser. Arbeiderpartiet ønsker en annen politikk. Vi ønsker en solidarisk politikk, og derfor er jeg glad for at det er regjeringens forslag til budsjett som vil bli vedtatt i løpet av natten en gang.